en viktig del av kjemikaliepolitikken, og i Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil begrense spredningen av miljøgifter. Miljøgifter er, sammen med klima- og naturmangfold, de tre viktigste miljøutfordringene vi står overfor. I Norge har vi et ambisiøst nasjonalt mål for miljøgiftene – miljøgiftmålet – der står det: «Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen Regjeringen vil legge fram en handlingsplan om miljøgifter. Den skal vise hva vi skal gjøre framover for å nå målet. Det er fastsatt en prioriteringsliste med drøyt 30 stoffer og stoffgrupper, og det er disse stoffene målet og vår handlingsplan handler om. Handlingsplanen vil bl.a. si noe om behovet for kunnskap, hvordan vi håndterer miljøgifter i produkter, i industrien og i avfall. Den vil se på spørsmål rundt handel og hvilke krav forbrukerne kan stille, og sist, men ikke minst, om det er behov for å styrke tilsyn og kontroll. Her er det også viktig å minne om at vi er på riktig vei. Utslippene av de fleste stoffene på prioritetslisten er kraftig redusert siden Vi legger opp til at handlingsplanen skal være ferdig før påske. Jeg merker meg at regjeringen i energi- og miljøkomiteens innstilling blir bedt om å utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag, og at denne handlingsplanen skal inkludere internasjonale og nasjonale tiltak, økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog. Dette er i tråd med det regjeringen har tatt sikte på å omtale. Miljøgifter spres mest gjennom langtransporterte utslipp og gjennom utslipp fra produkter vi importerer til landet. Internasjonale reguleringer, globalt og gjennom EØS-samarbeidet, er derfor det viktigste virkemidlet for å stanse bruk og utslipp av miljøgifter. Norge aktive landene i det å jobbe for at de internasjonale kjemikalieregelverkene skal bli best mulig. EU har det fremste kjemikalieregelverket i verden i dag, og Norge jobber for at det skal bli bedre. Blant annet er vi med i REACH-up-gruppen av land som påvirker EU til en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk. I tillegg jobber vi tett med våre nordiske Vi arbeider også systematisk for å redusere utslipp og spredning her hjemme. Det åpnes for replikkordskifte.

om hva Norge gjør internasjonalt for å utøve påtrykk, slik at giftstoffer som PFOA o.l. blir fjernet i produkter som selges i Norge?

enda mer ambisiøst enn det er i dag, selv om dette er det mest ambisiøse i verden. Jeg tror det viktigste vi gjør, er gjennom det nordiske samarbeidet. Hver gang vi miljøministre møtes i Norden, står dette på dagsordenen. Vi vet at vi sammen med Sverige og Danmark kan gjøre mer her, og vi har også vært med på et opprop til den nye kommisæren i EU om at dette forblir på dagsordenen i EU. Vi tror vi når raskest til

mer oppmerksomhet rundt de utfordringene som miljøgiftene stiller oss overfor: at vi får fram hva vi som forbrukere kan etterspørre mer når vi er ute og handler, hva vi skal se etter, at det finnes merking av produkter som vi kan se etter, og at næringslivet vet hva de skal forholde seg til, også gjennom det internasjonale regelverket. Det er den type problemstillinger det er naturlig også å ta opp i

Hva gjør vi med legemidler som ikke blir brukt? Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at flertallet skriver i sine merknader at de ikke vet om dette fungerer godt nok i dag, samtidig som de ikke vil være med på et forslag om at dette må inkluderes i den handlingsplanen som statsråden nå skal lage. Hva er statsrådens begrunnelse for at flertallspartiene ikke kan stemme for dette forslaget i dag? Det er jo allerede i dag etablert en returordning for ubrukte legemidler gjennom apotekene. Jeg er ikke kjent med at denne ordningen ikke fungerer etter hensikten. Hvis så er tilfellet, er det naturlig å se på dette som en del av handlingsplanen, men jeg mener at dette er en returordning som fungerer i dag. Det er

mot perfluoroktansyre. Det er et svært skadelig stoff, og jeg mener at Norge, på tross av at en er stevnet av ESA, skal se på det med frimodighet. Det norske forbudet er berettiget. Jeg tror like gjerne at enden på den visa kan bli at Norge og Tyskland sammen klarer å presse gjennom et forbud i hele EU. Så har Sverige stevnet Europakommisjonen for EU-domstolen for ikke å ha vedtatt noen kriterier når det gjelder hormonhermere, eller hormonforstyrrende stoff. Mitt spørsmål til statsråden er rett og slett: På hvilken måte vil den norske regjeringen støtte Sverige i den kampen de har mot

Så er det snakk om de prioriterte miljøgiftene som skal utfases. Det er en NOU fra 2010 hvor man mener at dette skal kunne utfases innen 2020. Det er bare fem år til, og mitt spørsmål til statsråden er: Er det mulig med en handlingsplan å nå de målsettingene Stortinget har satt tidligere, eller er vi allerede for sent ute?

Når jeg sier at handlingsplanen kommer til påske, er det fordi regjeringen allerede har påbegynt det arbeidet – det står i vår regjeringsplattform, dette er vi opptatt av. Når nå også Stortinget er med på dette, får vi en handlingsplan som omfatter det som er viktig å gripe fatt i, og sammen gjør vi hva vi kan for å få dette på plass innen 2020. Vi vet nå veldig mye mer om hva disse giftige stoffene gjør med oss, så dette håper jeg vi kan stå sammen om å få på plass innen 2020.

interesse og ansvarsfølelse for dette problemet. Spørsmålet er om man i regjeringen har tatt opp dette problemet, og om vi kommer til å se et mye kraftigere engasjement fra helseministeren og helsesektoren i det miljøgiftarbeidet som regjeringen nå legger opp

Vi jobber nå for å få et totalforbud mot dette i alle produkter. Her er det viktig å se på tvers av det man har sett hittil – det synd for problemstillingen ikke å inkludere mat i dette, fordi det er så viktig for helsa vår. Dette er også et nytt eksempel på at når vi nå får ny kunnskap og vet mer, må vi også agere på en annen måte, og vi kommer til å jobbe samlet som regjering med dette. Replikkordskiftet er omme. Vitenskapen og

Det er ikke mulig å se for seg at vi i Norge skal slutte å bruke stoffer og kjemikalier som ikke er giftige, men det er viktig å sikre at folk skal slippe å bli eksponert for dem i sin hverdag. Og der er vi ikke i dag, som mange har sagt her i salen før meg. Representanten Rasmus Hansson refererte til førindustriell tid, og på dette punktet er jeg enig med dem som sier at det var bedre i gamle dager. Nikolai Astrup refererte til undersøkelsen som Forbrukerrådet og NILU gjorde på to barnerom – på Nikolai Astrups og på mitt – og i en barnehage i 2013. Den påviste mange kreftframkallende og hormonforstyrrende kjemikalier. Faktisk avdekket denne undersøkelsen flere hundre kjemikalier på barnerommene, og av dem var mange skadelige.

men på en rekke andre hverdagsprodukter som vi bruker, blir vi forbrukere i mye større grad overlatt helt til oss selv når vi står der ved butikkhyllen, enten vi skal kjøpe leker eller solkrem. Derfor er det veldig bra at det er så bred tverrpolitisk enighet om at denne handlingsplanen skal lages, og at det også er enighet om mange av tiltakene. Jeg vil likevel understreke betydningen av forslag nr. 1, som handler om å styrke Forbrukerrådet. De har på en som handler om å styrke Forbrukerrådet. De har på en veldig effektiv måte satt dette temaet på dagsordenen i media og laget apper som bidrar til at mange produsenter nå f.eks. merker produktene sine med parabener, noe som f.eks. har gjort at min frisør kutter ut sjampo som inneholder parabener. Derfor mener jeg at det vil være veldig viktig å styrke Forbrukerrådet i det videre arbeidet. Når det gjelder innsamling av legemidler, skal jeg kanskje ikke gjøre det til den store saken i dag, jeg håper vi får komme tilbake til det. Der jeg bor, er det 12 mil til nærmeste apotek, og da framstår ikke den ordningen vi har i dag, som veldig tilgjengelig. Replikkordskiftet viser også betydningen av at Norge skal være en pådriver internasjonalt, og da kan kanskje slagordet være: Forbrukere i alle land, foren eder! Dette er

oss. Det er vanskelig for oss forbrukere å vite hva vi skal velge eller velge bort, uten at det blir satt strengere krav til produsenten. Så lenge produsentene ikke blir stilt krav til, fortsetter de å produsere farlige varer. Både Sverige og Danmark har sine handlingsplaner, og det er bra at Norge følger på. Planen må være konkret, den må forplikte, og den må være til nytte for forbrukerne. og den må være til nytte for forbrukerne. Handlingsplanen vil påvirke produsentene jeg snakker om, til å fjerne de farlige stoffene. Vi har i dag en frivillig merking av produkter, som Svanemerket er i nordisk samarbeid. Det er bra. Det er et innarbeidet merke som folk stoler på, og det bør videreutvikles og foredles. Svanemerkets krav er strengere enn myndighetenes, og de miljøkravene bør også kunne stilles når det gjelder offentlige innkjøp. Jeg håper at flere stemmer for å inkludere innsamling av ubrukte legemidler, for det er viktig. Dette er giftstoffer er farlige, og dette kan også være et tiltak mot antibiotikaresistens. Vi vet dessverre at mange hiver legemidler i vasken eller i søpla. Selv med gode ordninger er det bra med planer. Som forbrukere er vi avhengige av løsninger som er enkle å bruke, og jeg vil rose hormonsjekk-appen fra Forbrukerrådet, som gir svar om innhold som påvirker hormonene våre. Det er veldig bra. Forbrukerrådet i Danmark har Den hjelper forbrukerne med å finne ut av innholdet i produkter, som f.eks. leketøy til barn. Dersom ikke produktet finnes i basen, kan en be om å få opplysninger og på den måten presse produsentene. Stadig flere produkter er i basen, og det er noe vi med felles nordisk innsats kan gjøre enda mer av. Forbrukerorganisasjonene i Norden må, som statsråden sier, samarbeide, og jeg vet at danske Tænk allerede har sine prosjekter som de ønsker å samarbeide om for å påvirke både nasjonale parlamentarikere og EU-parlamentet, og danne nettverk med forskere og embetsverk. Skal våre ambisjoner om å fase ut gift og hormonforstyrrende stoffer lykkes, kreves det en felles europeisk

Rovdyrforvaltningen baserer seg på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de store rovviltartene i norsk natur må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen. Forliket sier også at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og det skal legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

unntak blant de regler som ellers gjelder for statens erstatningsplikt, og at det finnes en rekke økonomiske ordninger for dyreeiere innenfor og utenfor rovviltprioriterte områder. Flertallet vil derfor ikke anbefale forslaget framsatt i Dokument 8:1 S. Jeg må tilstå at da dette forslaget kom på bordet, tenkte jeg at dette er

ønsket å sette meg inn i saken, gjorde også at jeg faktisk satte meg inn i hva regjeringen har fått til av tiltak siden den tiltrådte. Vi ser at antallet omsøkte erstatninger når det gjelder rovdyrskader, bare fra 2013 til ble redusert med ca. 25 pst. Det er i dag en veldig god dialog mellom departement og regionale rovviltnemnder, den er langt bedre i dag enn hva den var. Vi ser at når det gjelder nær sagt alle saker om uttak av rovdyr som rovviltnemndene har anket, har alle anker, unntatt én, gått igjennom i departementet, og rovviltnemnda har fått viljen sin. Det er en gått igjennom i departementet, og rovviltnemnda har fått viljen sin. Det er en veldig viktig årsak til at antallet omsøkte erstatninger har gått ned med 25 pst. Da er det slik at denne regjeringen har stått for et arbeid og fått redusert erstatningen med bakgrunn i rovdyr vesentlig. vesentlig. Når man da i tillegg ønsker at man skal ha spesielle ordninger, har det i sum for meg personlig blitt slik at man egentlig ønsker altfor mye. Man kan gjerne si det slik at dagens regjering har nådd igjennom der den forrige feilet. Går vi inn og ser på hva man faktisk utbetaler,

konfliktdempende tiltak, og i tillegg har regjeringen gått inn og økt omstillingsmidlene. Da må jeg si at min konklusjon er lik saksordførerens konklusjon. Vi har faktisk gjort en veldig god jobb på området, og dette er egentlig å be om å få i både pose og sekk.

Jeg forstår fortvilelsen til både landbruket og reindriftsnæringa over angrep på beitedyr fra rovdyr. Den må vi ta på alvor. Derfor er det avgjørende for Kristelig Folkeparti å styrke tiltroa til rovdyrforvaltninga, bl.a. gjennom effektivt uttak av skadegjørende dyr og ved å sikre at bestandene ikke vokser utover de fastsatte bestandsmålene. Derfor er det også viktig med gode erstatningsordninger.

på den ene sida og hensynet til enkeltmenneskets trygghet og til landbruks- og reindriftsnæringa på den andre sida. Forvalteransvaret er grunntanken i kristeligdemokratisk miljøpolitikk, og målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners mulighet til å oppfylle sine behov. Derfor skal vi forvalte jorda på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter bl.a. å ta ansvar for det biologiske mangfoldet. Derfor er det helt avgjørende for Kristelig Folkeparti at de fire store rovdyrartene, bjørn, ulv, jerv og gaupe, forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret for å sikre levedyktige bestander av disse. Rovdyrforvaltninga skal være kunnskapsbasert. Samtidig skal den ivareta enkeltmenneskets og lokalsamfunnets livskvalitet. Følelsen av utrygghet i enkelte områder må tas på alvor.

pålegges å utføre omfattende forebyggende tiltak. Det kan gjennomføres ved at staten erstatter husdyrholderens økonomiske tap ved å måtte oppgi dyreholdet, alternativt at alle ekstrakostnader ved å fortsette dyreholdet blir dekt. Det er nå engang slik at for å skape aksept og forståelse for etablering av rovviltbestander og samtidig redusere konfliktnivået vil det være avgjørende at den enkelte borger ikke skal lide økonomisk tap og måtte avstå sitt næringsgrunnlag uten at det erstattes. I Høyesteretts avgjørelse, referert i Norsk Retstidende 2006, side 1105, Rendals-dommen, sies det i avsnitt 34: «Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller tiltak for å forebygge skade.» eller tiltak for å forebygge skade.» Med andre ord er det altså storsamfunnet som må bære de økonomiske konsekvensene av statens rovdyrpolitikk, ikke den enkelte husdyrholder. Men dagens situasjon er at husdyrholdere innenfor yngleområdet for rovdyr bare får erstattet tapet av dyrets verdi med direkte følgeskader. Det er det som ligger i naturmangfoldloven § 19 med tilhørende forskrifter. Det står i motsetning til husdyrholdere med beiterettigheter innenfor områder som er avsatt til nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat eller annet. Der er erstatningsregimet et annet. Der fungerer naturmangfoldloven § 50, og den bestemmelsen sier at husdyrholderne får erstattet sitt økonomiske tap «når et vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk». Husdyrholdere med beiterettigheter i verneområder har altså et sterkere erstatningsrettslig vern enn tilsvarende dyreholdere med beiterettigheter i yngleområdet for rovdyr. Det er ikke egnet til å vekke tillit. Senterpartiets ønske er at de to gruppene prinsipielt og rettslig sett likestilles. Det er ingen grunn til å skille mellom det erstatningsrettslige vernet for husdyrholdere med beiterettigheter eller eiendomsrett innenfor yngleområdet for rovdyr og husdyrholdere med beiterettigheter og eiendomsrett innenfor naturvernområder. Rovdyrproblemet har i mange tilfeller en større økonomisk konsekvens for grunneiere og rettighetshavere innenfor yngleområdet for rovdyr enn for grunneiere med vern etter naturmangfoldloven § 50. Husdyrholdere med beiterett og eiendomsrett innenfor yngleområdet for rovdyr må tåle rådighetsbegrensninger på grunn av storsamfunnets krav og behov,

at erstatningsregimet ikke er forenlig med de prinsippene som ble lagt til grunn i Rendals-dommen. Rovviltforliket viser vi jo alle sammen til og bruker. I rovviltforliket heter det også at beite er en positiv ting:

beitemuligheten og beiterettighetene. Så fastslår vi også i rovviltforliket: «Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven . Ved vedtak om beiterestriksjoner grunnet rovvilt skal dyreeier ha rett til full økonomisk kompensasjon etter nærmere regler. Kompensasjonen skal gis fra dag én.» Vi oppfyller ikke den todelte målsettingen i dag. Vi oppfyller ikke den todelte målsettingen i dag. Vi oppfyller ikke den todelte målsettingen når vi i realiteten ser at en rekke områder blir utilgjengelige for beiting. Derfor er det sørgelig at noen ikke er villige til å gå inn i diskusjonen og verken forholde seg til eller erkjenne den problemstillingen som ligger i forslaget fra Senterpartiet. Med det tar jeg opp forslag nr. 1 i innstillingen. Representanten Marit Arnstad har tatt opp det forslaget hun refererte til. De

man ikke vet hvor er, men det er tre som er der fortsatt. Det var en stor opplevelse. Det er viktig at rovdyrforvaltningen er vitenskapelig basert i Norge. Samtidig har vi et rovdyrforlik, som på mange måter er et politisk kunstverk. Det er viktig for Venstre at vi holder fast ved rovdyrforliket og den todelte målsettingen som også ligger der, at vi skal sikre overlevelse av alle de store rovviltartene. Det er også viktig at vi klarer å opprettholde de bestandsmålene som ligger i rovdyrforliket. Det er ikke noe maksimum, det er vel mer et minimum av der man skal være i en slags balanse mellom de målsettingene som er der. Rovdyrforliket er jo et politisk dokument og vedtak, men allikevel: Det er og vedtak, men allikevel: Det er det vi har, og det er viktig at vi viderefører og holder fast ved den enigheten som ligger der. Så er det viktig å dempe konfliktene med landbruksinteresser og dempe også den utryggheten som måtte være på grunn av tilstedeværelsen av store rovdyr. Nå har statsråden overfor komiteen gjort greie for de erstatnings-, kompensasjons- og tilskuddsordningene som gjelder for kompensasjons- og tilskuddsordningene som gjelder for næringen. Vi er enig med statsråden i at det egentlig er ganske gode økonomiske ordninger, men vil gjerne også legge til at Venstre er villig til å se på om det er riktig å ha flere forebyggende støtteordninger, nettopp for å dempe konflikten ytterligere, og vi bør se på om en kan få flere tiltak, men vi mener at dette må ses i en større helhet som omfatter mer enn bare erstatningsbestemmelsene. Det er en kjensgjerning at det er om lag 125 000 sauer som dør på beite i løpet av en sesong. Omtrent en fjerdedel av disse får man erstatning for på grunn av rovdyr. Jeg mener at det er absolutt dyrevernhensyn, både for dem som dør på beite, og for dem som tas av rovdyr, å se på om vi kan lage støtteordninger som i større grad ivaretar forebyggende tiltak som går inn på det som er mer

og bidrar til å opprettholde en bredere landbruksstruktur og en mer spredt bosetting enn vi ellers ville hatt. Sauenæringen bør derfor fortsatt få omfattende offentlig støtte. Når sau slippes på utmarksbeite, vet vi at mange dyr vil dø. Det er strid om tallene, men det er liten tvil om at minst halvparten dør av å spise giftige planter, gå seg fast, brekke beinet og mye annet. For dette tapet utbetales det ingen erstatning, fordi det regnes som saueeiers ansvar

eller rødrev. Det er likevel bred enighet om å opprettholde rovdyrskadeerstatningene til sauenæringen, av mange gode grunner. Men det er viktig å ha klart for seg at en så stor og så spesiell erstatningsordning krever legitimitet og støtte i opinionen. Derfor er det viktig å sikre at denne støtten består, og være kritisk til forslag som kan undergrave støtten. Senterpartiets forslag om et nytt erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr vil etter De grønnes mening nettopp kunne bidra til å undergrave den offentlige støtten i opinionen for rovdyrskadeerstatningene. Forslaget ville, om det ble vedtatt, etter vår mening være å gjøre sauenæringen bokstavelig talt en bjørnetjeneste. Derfor støtter vi ikke dette forslaget. Forslaget går ut på å gi sauebønder i rovdyrområder erstatning hvis de legger ned driften under henvisning til rovdyrproblemer. Dette vil rett og slett ikke bli forstått i 2015, og enda mindre i 2030, når Norge har beveget seg lenger i retning av et bærekraftig samfunn. Støtte til faktisk å drive næring i naturen med de problemene det innebærer, er forståelig. Støtte for å velge ikke å drive næring i områder som ganske enkelt består av norsk natur, er ikke rimelig og vil ikke bli forstått. Det er i dag ti år siden Stortinget vedtok en delvis omlegging til en risikobasert erstatningsordning i rovviltforliket fra 2004. Forliket konkluderte bl.a. med at en betydelig del av erstatningene skal gå gjennom forhåndsutbetaling som incentiv til iverksettelse av forebyggende tiltak. Denne planen ble imidlertid dessverre skrinlagt i den første Soria Moria-erklæringen. Derfor har De grønne i dag foreslått en omlegging av erstatningsmidlene fra å erstatte husdyr etter at de har blitt drept av rovdyr, til å utbetale støtte i samme størrelsesorden som faste «risikobaserte» tilskudd basert på rovdyrtetthet og erfart tapsrisiko – altså samme utbetaling til brukerne, men basert på både levende sau og levende rovdyr. En slik ordning vil legge til grunn det faktum at rovdyr i naturen er et av rammevilkårene for sauedrift, og den vil gi et sterkere incentiv til løsninger. Samtidig er det, uansett hvilken erstatningsordning vi velger, også nødvendig å begrense mest mulig usikkerhet om grunnlaget for erstatningsutbetalinger. I fjor høst slo en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning fast at det utbetales erstatning for tap av sau til gaupe for betydelig flere sau enn gaupa faktisk tar. Dette gir næring til en allerede betydelig usikkerhet om presisjonen i rovdyrskadeerstatningene, også når det gjelder andre rovdyrarter. De grønne har derfor også fremmet forslag i dag om at gaupeundersøkelsen fra Norsk institutt for naturforskning i fjor følges opp med tilsvarende undersøkelser om tap av sau til alle fredede rovviltarter. Jeg tar med dette opp de to forslagene som Miljøpartiet De Grønne har fremmet i denne innstillingen. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp de forslagene han refererte til. Den private eiendomsretten er

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt sikrer dyreeiere full erstatning for skader på husdyr og tamrein. Tilskudd til forebyggende tiltak brukes for å hindre at rovvilt gjør skade på beitedyr. Midler til konfliktdempende tiltak skal begrense ulemper grunnet rovvilt for lokalsamfunn og andre grupper. Tilskudd til omstilling til annen drift i landbruket er en frivillig ordning som gis til brukere som har hatt årvisse betydelige tap til rovvilt. Kompensasjon gis også til dyreeiere som får restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt. Disse ordningene er primært etablert for å sikre en levedyktig beitenæring i Norge. Over Klima- og miljødepartementets budsjett er det i 2015 satt av ca. 225 mill. kr til dette. Dette viser at vi i dag har gode økonomiske ordninger for eiere av beitedyr som blir berørt av rovvilt. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å innføre Jeg er derfor glad for at et bredt flertall i komiteen deler regjeringens vurdering i denne saken, og at man ser det som avgjørende med gode ordninger for å sikre en livskraftig beitenæring. I tråd med rovviltforliket fører denne regjeringen en tydeligere soneforvaltning i rovviltpolitikken. Det er nødvendig for å ivareta den todelte målsettingen om å ha både rovvilt og beitedyr i Norge. I fjor vår sendte derfor landbruks- og matministeren og jeg ut et brev der vi ba rovviltnemndene om å følge opp dette i sine forvaltningsplaner. Det er viktig at områdene som settes av til henholdsvis rovvilt og beitedyr, er store nok. Videre er det viktig at nemndene samarbeider om soneinndelinger i sine områder. Der det er naturlig, bør det legges opp til at flere rovviltarter kan leve innenfor de samme områdene, noe som kan føre til at færre dyreeiere blir berørt av rovvilt. Gjennom arealdifferensiering skapes det større grad av forutsigbarhet både for beitenæringen og i oppnåelse av bestandsmålene for rovvilt. Dette vil på sikt føre til lavere tap og mindre konflikter. Det blir replikkordskifte.

mente å påvise at det utbetales erstatning for mye flere sau tapt til gaupe enn det faktiske tallet er. Dette skaper en type usikkerhet som verken sauenæringen eller naturverninteresser kan ha glede av, og Miljøpartiet De Grønne har derfor foreslått at vi får flere slike undersøkelser også når det gjelder andre rovdyr. Vil miljøministeren ta initiativ til at vi får tilsvarende undersøkelser også for jerv, ulv og bjørn? Jeg tror det alltid er behov for mer kunnskap på et felt hvor man har så motstridende interesser, så vi ønsker å få på plass mer kunnskap om tema for hvorfor det er så mange dyr som blir tatt av rovvilt.

Takk for svaret fra statsråden. Det er et lite skritt i riktig retning. Samtidig vil alle med en viss innsikt i hva det koster å drive feltundersøkelser i Norge i dag, vite at 1,5 mill. kr ikke vil gi oss et godt og sikkert faktagrunnlag for å avklare bedre hva som er realitetene rundt tap av sau til de forskjellige rovdyrartene. Kan vi forvente at den innsatsen som miljøvernministeren og landbruksministeren nå varsler, vil bli trappet opp til et nivå hvor vi faktisk får gode, nye datagrunnlag for reell tapsrate for alle de fire store Vi ønsker mer kunnskap. Nå har vi i hvert fall satt av 1,5 mill. kr i år for å komme i gang med prosjekter for å se nærmere på tapsårsaker i husdyrnæringen. Det er et signal om at vi ønsker mer kunnskap innenfor dette området, og som jeg sa i mitt forrige svar, et område hvor du har to så motstridende interesser. Så det å vite mer om hva som er tapsårsakene i husdyrnæringen, er fornuftig, og kan også være med på å dempe konfliktene når vi vet noe mer. Nå setter vi av det i 2015, og og kan også være med på å dempe konfliktene når vi vet noe mer. Nå setter vi av det i 2015, og så kommer vi i gang med det prosjektet.

Hvis du taper næringsgrunnlaget ditt som følge av at du er innenfor yngleområdet for rovdyr, der soneinndelingen nå blir praktisert strengt, får du ikke den samme typen erstatning. Da får du langt mindre erstatning. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilken prinsipiell forskjell er det egentlig på tap av næringsgrunnlag som følge av yngleområde for rovdyr og tap av næringsgrunnlag som følge av naturvern?

rovvilt. Når jeg sier at det i 2015 er satt av 225 mill. kr til ordninger for dyreeiere som berøres negativt av rovvilt, er det et betydelig beløp. Så jeg mener at vi ivaretar erstatningen. Men vi ønsker ikke å endre naturmangfoldloven. La meg da få lov til å formulere replikken på en litt annen måte. Altså: Vi snakker ikke her om erstatning for noen tap man har hatt i løpet av et år. Vi snakker om tap av næringsgrunnlag og at man ikke lenger kan drive med sau på beite i yngleområdet for rovdyr – altså tap av næringsgrunnlag. Når statsråden her sier at naturmangfoldloven § 50 er en unik regel, må jeg spørre: Hva er forskjellen for den enkelte bruker om en taper næringsgrunnlaget sitt etter naturmangfoldloven § 50 – altså naturvern – eller om en taper fordi en er innenfor yngleområdet for rovdyr? Er ikke konsekvensen for den enkelte private eiendomsbruker akkurat den samme? Men ingen vil miste beiteretten selv om det er rovvilt i det aktuelle området. Det er her vi har økonomiske støtteordninger til eiere av beitedyr og andre som blir berørt av rovvilt. Vi har til sammen 225 mill. kr i 2015. Vi har også støtteordninger til omstilling til annen drift i landbruket dersom dyreeier ønsker det. Til det formålet er det øremerket 7 mill. kr i 2015. Så jeg mener at vi i dag har gode økonomiske ordninger som ivaretar dem som enten vil gjøre noe annet, eller dem som blir berørt av det. 2015. Så jeg mener at vi i dag har gode økonomiske ordninger som ivaretar dem som enten vil gjøre noe annet, eller dem som blir berørt av det. Erstatning ved områdevern etter naturmangfoldloven er en unik ordning. Dette er noe annet, men jeg synes vi har økonomiske virkemidler til å ivareta dette. Jeg må nok gjenta spørsmålet, for det som skjer nå innenfor yngleområdet for rovdyr, er nettopp at en rekke brukere ikke lenger kan utnytte beiteområdene sine. De kan ikke drive næringsvirksomhet på de områdene lenger, på grunn av rovdyrproblematikk. Beiteområdene er i ferd med å bli avviklet. Da snakker vi ikke om forebyggende tiltak lenger, da snakker vi om tap av næringsgrunnlag. Mitt spørsmål til statsråden, som jeg håper jeg kan få et svar på, er: Hvilken forskjell gjør det for den enkelte næringsutøver om en taper det næringsgrunnlaget som følge av vern på grunn av naturvern, eller om en taper det på grunn av at en er innenfor yngleområdet for rovdyr?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

år. Vi fikk veldig klar dokumentasjon på at det nå er nærmest perfekt samsvar mellom det som er ulvesonen, og det som er ikke tilgjengelige arealer for utmarksbruk lenger. Det finnes ikke beitedyr. Da er det jo åpenbart at tapstallene går ned. For dem som virkelig er berørt, er det som å kaste blår i øynene på dem

Jeg synes det er ganske alvorlig at det var Fylkesmannen i Hedmark som presenterte disse tallene. De er fullt tilgjengelige for hele byråkratiet, for alle politikere, og man lytter ikke til konflikten. Jeg bor i dette området selv. Man har en følelse av at man blir overkjørt. Det er en helt annen diskusjon om vi skal ha rovvilt eller ikke, dette dreier seg om hvordan vi behandler de menneskene som faktisk bærer kostnaden. Jeg må si at jeg er behandler de menneskene som faktisk bærer kostnaden. Jeg må si at jeg er sjokkert over debatten når folk sier at man har satt seg inn i det, og så har man ikke klart å registrere at det faktisk er kjernen i konflikten! Jeg varsler at dette ikke er tilstrekkelig behandlet, det har med sykdom å gjøre. Jeg bebreider ingen for det, men jeg kommer fortsatt til å slåss for at de som faktisk bærer kostnaden, og de som blir fortrengt fra sine rettigheter, skal få en skikkelig behandling av samfunnet.

I Lierne kommune kan man snakke om årlige tap og forebygging, men det er ikke noen utmarksbeiter igjen, fordi bøndene i Lierne har allerede tatt kostnaden på vegne av storsamfunnet og avviklet beitebruken i Lierne. Slik er det i Lierne, og slik er det i Hedmark, og det er snart en problemstilling vi må ta alvorlig. Sjølsagt er det kostnader med å drive en næring, som representanten Rasmus Hansson var om, er ikke det. Det er egentlig heller ikke årlige tap, slik det ble sagt av representanten Gundersen, men det er hvorfor man har denne forskjellsbehandlingen i erstatningsbestemmelser når det gjelder tap av næringsgrunnlag – for det er det vi nå ser foregå utover i yngleområdene for rovdyr. Jeg mener at skal rovdyrpolitikken ha noen form for legitimitet, må det spørsmålet før eller siden adresseres. Jeg hører representanten Hansson si at vi betaler dem for å legge ned. Nei, de taper sitt næringsgrunnlag. Det er ikke mulig å drive beitebruk i disse områdene lenger, og det kan ikke være slik at storsamfunnet skal tvinge sauebøndene til å fortsette med store tap hvert år, eller at de skal være nødt til å legge ned arbeidsplassen sin og næringsgrunnlaget sitt forringe den private eiendomsretten uten at samfunnet erstatter dem for det. Slik kan det ikke være. Jeg synes at den bestemmelsen man har i naturmangfoldloven § 50 om verneområder, er fornuftig, men det er helt uforståelig at noen fikk den igjennom som en særbestemmelse for verneområder, men at den ikke skal gjelde tap av næringsgrunnlag også for det som angår for rovdyr. Senterpartiet får ikke flertall for denne saken i dag, men jeg håper at Stortinget vil komme tilbake til denne meget viktige og avgjørende diskusjonen for veldig mange enkeltmennesker i dette landet. Det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

Norge har som et av de rikeste land i verden en unik mulighet til å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp. Samtidig må en ambisiøs politikk nasjonalt være fornuftig i en global sammenheng. Det overordnede målet er å redusere de samlede globale utslipp av klimagasser. Dette innebærer at det må tas hensyn til konsekvensene av kvotesystemet, faren for karbonlekkasje og til industriens konkurranseevne når politikken utformes. Dette gir føringer for virkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslipp frem mot både 2020, 2030 og 2050. Det er gledelig at en samlet komité står bak dette synet. Det er nødvendig å forsterke klimaforliket gjennom nye tiltak dersom vi skal klare å redusere utslippene i Norge. Regjeringen og samarbeidspartiene har allerede gjennomført svært mange tiltak som vil gi reduserte utslipp. I transportsektoren er det tatt en rekke grep for å fremskynde omstillingen. I 2015 økes omsetningen av biodrivstoff fra 3,5 pst. til 5,5 pst. Dette tiltaket alene vil redusere utslippene med minimum 130 000 tonn CO2. Fra 1. juli fjernes biodieselavgiften, avgiften på lavinnblandet bioetanol halveres, og det vil bli innført full veibruksavgift for naturgass og LPG. Det siste grepet vil gjøre at biogass vil bli konkurransedyktig. Avgiftsfordelene for elbiler videreføres i 2015, og i tillegg er ladbare hybrider blitt billigere. Alle disse tiltakene vil bidra til å fremskynde omstillingen av transportsektoren. Samtidig satses det sterkt på jernbane og kollektivtrafikk, og regjeringen har fremmet nye retningslinjer for miljøvennlig stedsutvikling. I sum vil det bli enklere og mer effektivt å leve uten bil i hverdagen. I byggsektoren har regjeringen utvidet og rettighetsfestet støtteordningen for enøktiltak under Enova. Flere tiltak får støtte, og det totale støttebeløpet er økt. Dette styrker incentivene til å bytte ut fyring med fossil olje med miljøvennlige alternativer. Fra 2020 er det varslet et forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene og til grunnlast i øvrige bygg. Fornybar energi er en viktig del av løsningen for å realisere lavutslippssamfunnet. Fortsatt er nesten 40 pst. av Norges energibruk fossil til tross for at elektrisitetsproduksjonen er fornybar. Norge har et betydelig potensial for å utvikle mer fornybar energi. Denne energien bør i hovedsak brukes til å erstatte fossil energi der det er mulig og hensiktsmessig, legge til rette for mer miljøvennlig industriproduksjon og energiintensiv virksomhet i Norge og gjøre det mulig med mer kraftutveksling med våre naboer på kontinentet og i Storbritannia. Dette vil ha både positive miljøeffekter og bidra til at det skapes nye grønne arbeidsplasser og grønn verdiskaping i Norge. Regjeringen har tatt flere grep for å realisere vårt fornybarpotensial. Innslagspunktet for grunnrenteskatten er hevet. Bedre avskrivningsregler for vindkraft er varslet, og en utvidelse av elsertifikatmarkedet til 2021 er sendt på høring. I tillegg er det gitt konsesjon til to nye mellomlandsforbindelser til henholdsvis Tyskland og Storbritannia. Halvparten av norske utslipp er omfattet av EUs kvotesystem. I denne sektoren vil utslippene reduseres med 43 pst. i 2030 sammenlignet med 2005, EØS-området sett under ett. Det er et effektivt og godt virkemiddel som samtidig gir Norge fleksibilitet til å satse på miljøvennlig industriproduksjon også i årene fremover. Samtidig må Norge ha ambisjoner om å produsere så rent som mulig i kvotepliktig sektor. Ny teknologi er avgjørende for å oppnå dette. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at regjeringen har vedtatt å styrke Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging med 12,75 mrd. kr utover enigheten i klimaforliket. Samtidig er Innovasjon Norges miljøteknologiordning økt til 330 mill. kr i 2015. I sum vil dette gjøre det mulig for langt flere bedrifter å realisere gode miljøprosjekter, bygge flere piloter og utvikle og ta i bruk nye teknologier som reduserer utslipp og energibruk. Det er liten tvil om at regjeringens politikk representerer et taktskifte i klimapolitikken. Sammen med våre samarbeidspartier har vi allerede etter halvannet år i regjering levert konkrete og ambisiøse nye tiltak som vil bidra til lavere utslipp og nye grønne arbeidsplasser i Norge. Jeg er glad for at tiltakene har bred tilslutning, og for at Stortinget har klart å samle seg om fem nye tiltak gjennom behandlingen av dette representantforslaget. Jeg anbefaler hermed innstillingen. Aller først en liten visitt til foregående taler, hvor han avslutningsvis sier at det er

Men jeg skal nå la det ligge, for jeg synes at når det gjelder denne saken, i likhet med noen flere saker som komiteen har behandlet i denne stortingsperioden, er tiden for å diskutere om det finnes menneskeskapte klimaendringer litt borte. Hvordan klimaendringene har oppstått og konsekvensene – den diskusjonen er litt borte. Vi vet at det berører vår hverdag allerede nå. Og vi er forbi tiden for å diskutere om klimaendringene vil bety ytterligere forsterkninger av de utfordringer og de forskjeller som verden representerer mellom fattig og rik. 2015 blir også et veldig viktig klimaår. Vi har regjeringens 2030-mål, som de har varslet skal legges fram raskt, og det er vel sånn at der er trykksverten hengt opp til tørk. Vi har et spennende og viktig klimatoppmøte i Paris i slutten av dette året, og jeg tror noen av utfordringene blir å klare å forene oss i så stor grad som mulig i et så viktig framtidselement som klimaperspektivet faktisk pålegger oss. Og da synes jeg faktisk at dette forslaget – som i utgangspunktet er, skal vi si, ganske ambisiøst, og som er Miljødirektoratets forslag til tiltak satt inn i en kontekst hvor man foreslår det for Stortinget, og det man har kommet fram til gjennom behandlingen i komiteen – er et lite skritt i riktig retning. Det er ingen revolusjon, men det understreker en vilje i Stortinget til å finne sammen, om noen temaer i hvert fall. Så jeg synes det er positivt. Så er det positivt at en samlet komité så til de grader understreker Norges ansvar understreker Norges ansvar og Norges muligheter. Vi skriver veldig tydelig i komitéinnstillingen at Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å utvikle og ta i bruk ny teknologi som kan redusere utslipp ute og hjemme. Og Norge har, som et av de rikeste land i verden, en unik mulighet til å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp. Gjennom det legger vi egentlig en betydelig forpliktelse på oss og det er det jeg synes mye av saken i dag faktisk egentlig handler om, at vi tar noen skritt i riktig retning, og at vi veldig bredt klarer å forene oss om noen punkter – i alt fem forslag til vedtak. Utfordringen i fortsettelsen tror jeg nettopp er at vi prøver å bygge opp under så bred enighet som mulig, og at vi klarer å få de sterke virkemidlene knyttet til det. Så er det selvfølgelig noen i salen i dag som vil stemme for alle forslag som er fremmet. Men jeg tror at vi bør bruke 2015 til å prøve å forene Stortinget mest mulig i realistiske tiltak fram mot 2030 og fram mot 2050, sånn at vi når det langsiktige målet vårt om at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Og ett av de forslagene til vedtak som er fremmet, er jo spesielt interessant i så måte,

Dette gir føringar for verkemiddelbruken for å redusere nasjonale utslepp fram mot både 2020, 2030 og 2050. Framstegspartiet meiner det er eit viktig prinsipp for klimapolitikken at den som forureinar, betalar, og at klimapolitikken må innrettast slik at han gir størst mogleg utsleppsreduksjon for innsatsen. Symbolpolitikk innanfor klimapolitikken er svært skadeleg, då det øydelegg legitimiteten blant folk flest, ein legitimitet ein er avhengig av å behalde fordi dei aller fleste tiltaka vil vere svært kostbare. Det er ikkje til å stikke under stol at elektrifiseringa av sokkelen er eit tiltak som er svært omdiskutert, og personleg opplever eg at mange beskriv dette som meiningslaust, når eg er i diskusjon med folk flest. Men la det vere, så får vi ta til oss den erfaringa som elektrifisering av Utsira-høgda gir oss, som eit stort fleirtal i Stortinget står bak. Også Framstegspartiet, som regjeringspartnar, stemte for det. Så er det også slik at Arbeidarpartiet i opposisjon har fått ein betydeleg større vilje til å påleggje industrien og petroleumssektoren klimatiltak enn kva ein såg frå same parti i posisjon. Samtidig er den nye partileiaren veldig vag når det gjeld partiet sine framtidige reduksjonsmål, sjølv om han klarte å skape stor usikkerheit rundt petroleumssektorens framtid som talar hos AUF, mens det kjem andre signal når han besøkjer leverandørindustrien. Så til representantforslaget, som har i seg ei rekkje konkrete forslag til tiltak – nærmare bestemt 29 forslag frå SV, og vidare har Venstre fremja 11 forskjellige forslag til tiltak. Av dei 40 forskjellige tiltaka har komiteen samla seg om 5 forslag til vedtak som inneheld følgjande tiltak: eit forbod mot bruk av fossil olje til oppvarming og ei vurdering av om forbodet òg skal omfatte topplast, null- og lavutsleppsteknologi i kollektivtrafikken, ein plan for landstrøm i hamner, og sist ei dreiing frå fossil energi til fornybar energi, som ei tilpassing til lavutsleppssamfunnet. I innstillinga frå komiteen går ein langt inn i beskrivinga av dei forskjellige utfordringane, og ho gir mange gode eksempel på moglege svar på tiltak framover, innanfor eit område som vil få eit svært stort fokus nettopp i 2015, med klimamøtet i Paris som toppar det heile. For vår del vil regjeringa leggje fram sine mål snart, i eit møte der strategien for Noregs klimamål 2030 skal presenterast. Da kong Olav holdt sin nyttårstale, helt tilbake til nyttårsaften i 1969, for 45 år siden, sa han følgende: «Vi har et land som gir oss muligheter for en avkobling og et friluftsliv som få andre steder på jorden. Og vi er i den lykkelige situasjon at vi fremdeles har plass nok til at enhver kan få tilfredsstilt den trang til av og til å få være alene med naturen, som ennu er et folketrekk hos oss. Det er opp til oss og vår fornuft å forvalte dette gode på en måte som gjør at kommende generasjoner ikke får grunn til å bebreide oss.» Det var klokt sagt den gangen, og det er klokt sagt i dag. Det handler om hvordan vi tar vare på naturen, slik at også kommende generasjoner kan nyte den. Da må naturen forvaltes slik at vi bevarer det biologiske mangfoldet. Vi må forhindre luft- og vannforurensning og andre inngrep som kan gå på bekostning av biologisk mangfold. Det biologiske mangfoldet vi finner innenfor norske grenser, må ha et sterkt vern. Da må vi ta på dypeste alvor at vår klode befinner seg i en svært alvorlig situasjon. Vi snakker ikke lenger om en usikker fremtid for barnebarna. Klimaendringene skjer ikke i en fjern fremtid. De skjer nå. Derfor gjelder det barna våre, og det er vi som skal snu – og må snu – utviklinga. Vi har ingen tid å miste. Det er grunn til å glede seg over de fem forslagene til vedtak vi har klart å enes om, men jeg skulle gjerne sett tall på hva dette konkret vil utgjøre i lavere utslipp. Miljødirektoratet kom i vår med en rapport med faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken. Vi etterlyste et slikt tallmateriale da den forrige regjeringa la fram sin klimamelding i 2012. Den gang fikk Stortinget ikke engang vite hva de foreslåtte tiltakene ville innebære i reduksjoner. Vi er derfor svært tilfreds med at vi nå har et massivt grunnlag for å fatte riktige og nødvendige beslutninger for å få ned klimautslippene. Miljødirektoratet ga oss tydelige tall på hvor mye som må kuttes i de ulike sektorene for å nå De var også tydelige på at det ikke lenger er spørsmål om hvilke tiltak vi skal gjennomføre – nei, alle tiltakene må gjennomføres, om vi skal nå målet. Så sitter vi da igjen med et kompromiss på fem tiltak som vi kunne enes om. Det er noen skritt, men det er langt, langt fra nok. Snart skal vi diskutere hvilke klimamål Norge skal sette fram mot 2030. Det vil komme ambisiøse forslag og forslag som er mer ambisiøse enn de ambisiøse. Men hva hjelper det egentlig, om vi ikke samtidig forplikter oss til ambisiøse og konkrete tiltak for å nå målene? Kristelig Folkeparti støtter de tiltakene som skisseres i rapporten, og som fremmes i representantforslaget. Vi mener likevel at flere av tiltakene trenger en grundigere vurdering for å sikre at forslagene på best mulig måte blir utformet etter hensikten. Derfor fremmer vi forslag om å be regjeringa «gjennomgå tiltakene som skisseres i Miljødirektoratets rapport «Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken», og fremme konkrete forslag til hvordan de enkelte tiltakene kan gjennomføres.»

bra. Det er et bredt flertall som nå legger til grunn internasjonale, men også nasjonale tiltak. Det er et bredt flertall som også ønsker seg en kombinasjon av kvoter, av regulerende mekanismer og av positive tiltak som kan bidra til utvikling av bl.a. ny teknologi. Komiteen fremmer også noen felles forslag til vedtak som bør gi klare føringer for regjeringen – forslag som omhandler både transportsektoren, Enovas satsing på hydrogen og også mål om utfasing av fossil energibruk. Det er viktig, det er bra, og det er godt at vi har fått et enstemmig storting når det gjelder disse forslagene. Fra Senterpartiets side vil vi også trekke fram behovet for en klimalov som kan bidra til å skape en langsiktig og mer forutsigbar ramme om klimatiltak i alle sektorer. En type systematisk gjennomføring av vedtatte målsettinger tror vi best kan oppnås ved en lov som også legger noen rammer, som hindrer at man kan skyve tiltak foran seg, men som er mer forpliktende for hver periode. Det er et bredt flertall i komiteen som anerkjenner betydningen av at globale klimagassutslipp må prises, og at en stor andel av vårt næringsliv er en del av kvotepliktig sektor.

Det trenger på mange måter ikke å være noen motsetning mellom en god næringspolitikk og en god klimapolitikk. Den vekten som legges på Enovas rolle og betydning, er også en del av det bildet. Det samme gjelder også miljøteknologiordningen innenfor Innovasjon Norge. Utvikling av mer fornybar energi må ha en sentral rolle i norsk klimapolitikk,

et nytt regelverk på dette området. Det er heller ingen tvil om at transportsektoren spiller en viktig rolle – og kommer til å gjøre det framover – når det gjelder klimapolitikken. Overgangen til og utbyggingen av kollektivtransport, særlig i de store byene, kommer til å være veldig viktig. Overgang til elbiler eller lavutslippskjøretøy er allerede godt i gang og er vesentlig i dette bildet, men statens rolle i finansieringen av kollektivinvesteringer i byene er også vesentlig.

flere forslag vedtas, og vi mener, ut fra merknader og innlegg, at forslag om fornybart mål og energieffektiviseringsmål også burde ha blitt vedtatt her i dag. Men behandlingen i komiteen og i salen her i dag bør gi oss et godt grunnlag for den dialogen mellom partiene som man må ha når klimameldingen blir lagt fram. Med dette tar jeg opp forslag nr. 1, fra Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne,

i Norge, og det er på mange måter slik at vi må nå mål i 2030 som resten av verden må nå i 2050, for at vi skal ha mulighet til de reduksjonene som er nødvendige. I denne saken, om representantforslaget fra SV, legger man først og fremst til grunn et mål om å redusere fram mot 2020. Her ligger vi allerede etter de målsettingene vi har satt oss. Etter Miljødirektoratets vurdering var det 8 millioner tonn. Om det nå har blitt mindre, vil neste vurdering og utredning vise, men vi trenger å gjøre mer fram mot 2020. Venstre er saksordførerens bemerkning om at det er et taktskifte i klimapolitikken. Det er ingen tvil om at med et borgerlig flertall og med den situasjonen vi nå har på Stortinget, er det mange flere klimatiltak som gjennomføres. Vi legger til grunn den samarbeidsavtalen vi har med regjeringen, der klimaforliket skal forsterkes, der vi skal ha en forsterkning av kollektivsatsingen, og mener at i de forlikene vi har laget omkring budsjett, har vi gjennomført og fulgt opp den enigheten. Representanten Astrup nevnte mange av de budsjettvedtakene som er gjort, enten det er økning av mineraloljeavgiften, fjerning av moms på leasing av elbiler, lettelser for mange miljøvennlige drivstoff nå i år, lettelser for hybridbiler, eller det er å stille krav om nullutslipp på ferjer. Det er en rekke andre vedtak som er gjort, og som skal gjennomføres. Det er viktig å se på denne saken også i den sammenhengen, for her får vi fem forslag til vedtak som er skritt i riktig retning – og de er heller ikke så små; de er ganske omfattende, når man går inn i hva de innebærer. Det Det første forslaget til vedtak er at vi ber om et lovforbud mot oljefyrer i 2020, og det må innebære at takten i utskiftningen av oljefyrer øker dramatisk. Selv om det har vært et formål i klimaforliket lenge, har ikke gjennomføringsevnen stått i forhold til den viljen som har ligget der tidligere. Så et lovforbud vil ha stor betydning – og stor betydning særlig i de store byene.

er riktig og viktig å få på plass for at man skal få lagt seg på riktig nivå. Det kreves mye samarbeid med de ulike havneeierne rundt omkring i landet for å få dette gjennomført i praksis. Det er tekniske og kompliserte løsninger som må på plass, og det må også vurderes opp mot behovet i skipsnæringen. Så er det hydrogenstrategien. Den peker mye mer fram mot 2030, men potensialet til hydrogen som energibærer er stort. Igjen: Oslo og Akershus ligger på mange måter i forkant også internasjonalt. Det er en satsing som er gjennomført og satt i gang lokalt. Nå kommer staten også på banen, og nå kan vi ta en ledende rolle i utviklingen og bruken av hydrogen, enten det er i transportsektoren, med tunge kjøretøy, eller det er næringspotensialet, som i Norge er stort, slik det jo er i skipstrafikken. Så dette er viktige og riktige vedtak og forhåpentligvis et bidrag til at vi nå ikke bare gjør enkeltvedtak, men at en får det kappløpet for å redusere utslipp som en er avhengig av for å nå

Vi har ansvar for å kutta og omstilla oss til eit nullutsleppssamfunn. Og vi kan byggja landet grønt innanfor rammene av den norske modellen og eit trygt, regulert arbeidsliv, slik vi har bygt landet før – om vi vil. Samstundes må vi støtta fattige land i deira klimaomstilling. I klimaforliket har Stortinget sett som mål at norske utslepp skal ned til maksimalt 47 millionar tonn Vi har starta arbeidet. Då Miljødirektoratet la fram rapporten sin om klimamål for 2020, slo dei fast at Noregs klimapolitikk frå 2007 har ført til utsleppskutt på over 5 millionar tonn CO2 fram mot 2020, samanlikna med prognosen. Det har vi gjort, m.a. gjennom reduksjon i forbruk av fyringsolje, aktiv bruk av bilavgifter og innfasing av elbilar, bruk av kraft frå land til oljeplattformer, teknologitiltak i industrien og deponiforbod i avfallssektoren. Det er difor ikkje sant at ingenting skjedde i norsk klimapolitikk under raud-grønt fleirtal. Likevel slår Miljødirektoratet fast at skal klimamålet til Stortinget nåast, må utsleppa kuttast med ytterlegare 8 millionar tonn fram mot 2020 – difor denne saka i salen i dag. Miljødirektoratet har lagt fram ein rapport med ei rekkje faglege forslag til tiltak i alle sektorar som viser korleis det norske klimamålet kan nåast. Den førre regjeringa gav oss òg Klimakur – i 2010. Så kunnskap finst. Vi i SV har i representantforslaget vårt fremja 29 forslag for å nå klimamålet som Stortinget har sett, baserte nettopp på

Stortinget skal no vurdera å forby all bruk av fossil fyringsolje, både den såkalla grunnlasten og topplasten, for det gjev lita meining at vi som politikarar meiner at privatpersonar skal måtta fasa ut all den fossile oljefyringa, mens næringsbygg og staten skal få lov til å bruka fossil fyringsolje når det er kaldt. Det er viktig at regjeringa får ansvar for å få fart på omstillinga til ein utsleppsfri kollektivtrafikk, slik at ein kjem i mål med ein utsleppsfri kollektivtrafikk i 2025. Eg er òg spent på kva regjeringa kjem tilbake med for å få meir bruk av landstraum i norske hamner. Dette er òg – som kjent – viktig for å heva luftkvaliteten i byane våre. Likevel er det verdt å leggja merke til at fleire av dei forslaga som vi har blitt einige om, handlar om å få nye strategiar og planar. SV ville kunna kutta over halvparten av det som trengst for å nå Stortingets klimamål. Dei fem forslaga som ligg her i dag, er ikkje nok, og det er berre fem år til 2020. Eg skulle verkeleg ønskja vi slapp å ha så store vanskar med å samlast om ein politikk som går litt lenger enn å laga planar og strategiar. Regjeringa har lova å forsterka klimaforliket. Ei rimeleg tolking av ein slik lovnad er at ein i det minste freistar å nå det målet som Stortinget har sett for 2020. Likevel viser regjeringa liten vilje til å føreslå ny politikk som gjer det realistisk å nå målet. Eg må òg spørja Arbeidarpartiet, som har vore med på å vedta målet om at norske utslepp skal ned til 47 millionar Kva er politikken deira – som gjer det sannsynleg å nå målet? Sidan Arbeidarpartiet berre har ei handfull av forslaga som SV har fremja, kva politikk har dei for å kutta utslepp utover det? Eg vil utfordra alle parti som no slår seg på brystet over å inngå forlik med fine mål, til faktisk å støtta ein politikk som gjer at ein når måla. På vegner av SV tek eg opp dei forslaga som enno ikkje er tekne opp av andre. Representanten Ingunn Gjerstad har tatt opp de forslagene hun refererte til. Takk til SV og Venstre som

at norsk klimapolitikk er ambisiøs. Det er nærmest forbløffende at det fortsatt er nødvendig å minne om virkeligheten. Norge har ikke lave utslipp sammenlignet med andre land. Tvert imot er vi blant de landene i Europa som slipper ut mest CO2 per innbygger. Ola Nordmann slipper ut dobbelt så mye CO2 per år som Medelsvensson gjør. Norske utslipp går ikke ned, og vi oppfyller ikke løftene i klimaforliket. Mens svenskene skal kutte 40 pst. i forhold til 1990-utslippene sine innen 2020, diskuterer vi fortsatt om vi kanskje skal klare å kutte 5 pst. i forhold til våre 1990-utslipp. Dette kommer ikke til å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn, for ikke å si et nullutslippssamfunn, i 2050.

kunne iverksatt alle disse tiltakene, uten å spørre Stortinget, i samsvar med klimaforliket. Det samme kunne den rød-grønne regjeringen ha gjort. Men hva skjer? I dag blir 26 av disse klimatiltakene stemt ned av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Bare fem blir vedtatt, fordi de er så utvannet at ingen kan være imot dem. Hør her: Regjeringen skal utrede «hvordan fossil energibruk i Norge kan erstattes med fornybare energikilder som tilpasning til lavutslippssamfunnet.» Men sist jeg sjekket var hele poenget med klimapolitikk å gjøre akkurat dette. Etter 25 års klimapolitikk vedtar vi altså dette en gang til. Vi vedtar også å opprettholde støtteordningene til hydrogen og å lage en hydrogenstrategi, og vi skal altså forby bruk av fossil olje til oppvarming i husholdninger og grunnlast i øvrige bygg i 2020. Men det er veldig nær det som ble vedtatt i klimaforliket i 2012. Dette har altså komiteen brukt tid og politiske ressurser på å tilberede, og flertallet er veldig fornøyd. Til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er det i grunnen bare ett spørsmål å stille: Er dette ambisiøs klimapolitikk? Kanskje de fem tiltakene som vedtas i dag, er valgt fordi de gjelder sektorer der det er spesielt viktig å kutte på grunn av manglende måloppnåelse? Nei, dessverre. Noen slik vurdering er ikke gjort. Norge har ingen sektorvise målsettinger. Det stortingsflertallet i dag gjør, er politikk etter innfallsmetoden. Og det betyr i praksis fortsatt det Arbeiderpartiet, Høyre og ymse andre partier til enhver tid finner det kostnadsfritt å akseptere. Mens Stortinget bruker tida på dette, stiger temperaturen på jorda, og hvis vi skal styre unna de farligste og mest uforutsigbare klimaendringene, har verden i dag som kjent mindre enn 20 år før utslippsnivåene må være på null – altså null, president, om 20 år. Regjeringen legger straks fram en stortingsmelding om klimamål for 2030, og det eneste ansvarlige er at regjeringen i denne meldingen forplikter Norge til i størrelsesordenen 55 pst. utslippskutt på norsk territorium innen 2030 hvis vi skal oppfylle ambisjonene og målene om et nullutslippssamfunn i 2050. Dette er ambisiøst, men det er mulig. Men det krever de to tingene som fortsatt mangler i stortingsflertallets klimapolitikk, nemlig forpliktelse og vilje til gjennomføring. Dagens debatt viser bedre enn noen gang hvorfor Norge må få en klimalov som fastslår klare, forpliktende, nasjonale mål og sektormål for utslippskutt, og som ansvarliggjør regjering og enkeltstatsråder og etablerer en fast prosedyre for gjennomføring og rapportering. Med en klimalov ville mange av de tiltakene som blir stemt ned i dagens representantforslag,

Denne regjeringen har allerede gjort mye for å løfte klimaforliket. Gjennom regjeringens budsjettforslag og høstens budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre ble klimaforliket styrket med økt satsing på klimateknologi, mer til miljøteknologi i næringslivet, raskere utfasing av oljefyr fra statens eiendommer, økte investeringer i framtidens transportsystem og styrking av klima- og skogsatsingen og internasjonal klimafinansiering. Det grønne skiftet handler om å fase ut fossil energi og erstatte den med nye, rene energikilder. Vi må ta i bruk ny teknologi som elbiler og andre nullutslippsbiler, og vi må legge om transportsystemene fra bil til kollektivtrafikk, sykkel og gange, bl.a. for å ta unna veksten som er ventet rundt de største byene. Regjeringen har varslet at vi vil innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg. Fyring med fossil olje som grunnlast i statlige bygg fases ut innen 2018, og i Statsbyggs eiendommer innen Det er viktig å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser, og Sundvolden-plattformen peker på betydningen av statens innkjøpsmakt for å fremme innovasjon. Krav knyttet til kollektivanbud er et viktig område, men det er flere hensyn som skal tas, som det også pekes på i Stortingets vedtak. I regjeringsplattformen var det enighet om å legge til rette for landstrøm for ferjer og cruiseskip i flere havner. En plan for økt bruk av landstrøm er en naturlig oppfølging av regjeringsplattformen. Norge har gunstige ordninger for lavutslippsbiler. Som ledd i arbeidet med en hydrogenstrategi fra statlig side vil vi se nærmere på hvordan vi kan legge enda bedre til rette for dette.

Stortingsmeldingen vil legge opp til en bred gjennomgang av energipolitikken og vil bl.a. belyse sentrale temaer som påvirker innenlandsk produksjon og forbruk av energi. Samtidig som vi jobber med enkelttiltak for å styrke klimaforliket, arbeides det med utvikling av rammeverket for klimapolitikken i Norge og internasjonalt. Som ledd i klimaforliket ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å utrede hensiktsmessigheten av en klimalov i Norge. Jeg har invitert til innspill og synspunkter gjennom en bred offentlig høring. Regjeringen har ikke tatt stilling til om det er hensiktsmessig å innføre en klimalov i Norge, og vi kommer tilbake til Stortinget med denne saken på egnet vis.

om hvilke indikative forpliktelser Norge kan påta seg utover 2020. Regjeringen vil komme raskt tilbake til Stortinget med en egen melding om denne saken. Det blir replikkordskifte.

Så mitt spørsmål til statsråden er: Mener hun at hun leder landet på vei mot å nå dagens klimamål nedfelt i Dagens regjering kom ikke akkurat til dekket bord i klimapolitikken. Det var derfor det var viktig for oss å få en status på hvordan vi lå an etter den forrige regjeringen. Den statusen fikk vi i mars i fjor, og det viste seg at vi hadde et gap på 8 millioner tonn fram til

Det skulle altså ikke gå mange timer ut i denne debatten før vi for første gang fikk høre «i åtte år .» Nå snakker vi ikke om fortiden, vi snakker om framtiden. Da er det jo litt spesielt at man både sier at vi ligger langt fra å nå de målene vi har satt oss, og som statsråden har ansvaret for at landet når, samtidig som man sier at man faktisk forsterker klimaforliket. Så mitt spørsmål – igjen – er: Er statsråden i rute når det gjelder å nå de målene Stortinget har

presenterte denne regjeringen en stor økning i bevilgningene til jernbanen, derfor har vi satset mer på klimateknologifondet, mer på klimateknologiordningen, mer på biogass og på utfasing av oljefyr i

trenger en grundigere vurdering for å sikre at forslagene blir utformet etter hensikten. Spørsmålet mitt til statsråden blir: Når vil statsråden komme med nye, konkrete tiltak og forslag til tiltak utover det som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2015? Nå arbeider vi ut fra det som er vedtatt for 2015. Der ligger det en forsterkning inne. Så kommer Stortinget i dag med ytterligere vedtak vi må gjøre noe med, og så kommer vi med Norges indikative forpliktelser fram til 2030, som også anslår at vi må hjemme og ute. Det handler om hele tiden å fylle på med det vi, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, har sagt om at vi skal forsterke klimaforliket mer for å redusere utslippene, ikke minst innenfor transport og bygg i Norge,

men det har man valgt ikke å gjøre. Der kunne man ha inntatt en mer offensiv holdning. Vi er helt enig i, som mange har påstått, at disse tiltakene ikke er nok for å nå målene mot 2020, men det må ses i sammenheng med både budsjett og andre saker som også kommer fram mot våren, ikke minst den gjennomgangen av bilavgiftene som vi skal ha. Men mitt spørsmål gjelder ganske enkelt målsettingen for 2020. Vi skal ned på 47 millioner tonn. Ligger den fortsatt fast for statsråden?

mer ambisiøse mål for 2030, kan vi jo ikke redusere 2020-målene. Dette henger sammen med hva vi må gjøre på vei til lavutslippssamfunnet i 2050. Her mener jeg at regjeringen, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, har lagt en god plan for det. Jeg synes det er gledelig at det nå er ganske stor enighet i Stortinget om at vi må gjøre mer på dette området.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

Vi som har fulgt miljødebatten en stund, vet at ansvarsdelingen mellom Artsdatabanken og Miljødirektoratet er krevende. Med denne innstillingen slår komiteen klart fast Artsdatabankens nye rolle i utarbeidelsen av det økologiske grunnkartet for Norge. En enstemmig komité skriver: «Artsdatabanken skal ha ansvar for utvikling av datasystemer for praktisk naturtypekartlegging i felt, lagring av for at disse dataene blir kvalitetssikret og for å gjøre dataene tilgjengelig for alle brukere.» Dette innebærer at faglig kunnskap om norske arter og naturtyper samles på ett sted, og at Artsdatabanken blir navet i et faktasystem som alle aktører i alle sektorer må forholde seg til. Samtidig skal Miljødirektoratet fortsatt spille sin sentrale rolle som bruker av kunnskap i praktisk forvaltning. Et bredt flertall i komiteen forutsetter at direktoratet «viderefører arbeidet med å definere hvilke verdifulle naturtyper som skal kartlegges, og bestiller kartleggingen av disse. Miljødirektoratet skal også utarbeide kriterier for verdisetting av natur, samt å gi veiledning om forvaltning og skjøtsel av natur. Miljødirektoratet skal også videreføre Naturbase, der avgrensning av forvaltningsområder basert på grunnlagsdataene fra naturtypekartleggingen er et element». Vi forutsetter at klima- og miljøministeren raskt iverksetter denne klare arbeidsdelingen i praksis. Det er avgjørende for å få mest mulig igjen for de foreløpig 25 millionene som Stortinget bevilget til et kunnskapsløft for natur. Og jeg håper at klima- og miljøministeren kan bekrefte at dette arbeidet blir igangsatt raskt. For det andre er jeg glad for at et bredt flertall i komiteen ser at det haster å få på plass et økologisk grunnkart for Norge samtidig som vi forutsetter at norsk natur skal forvaltes kunnskapsbasert, og at vi får de beste beslutningene og mest mulig oppdatert kunnskap lagt til grunn. Dette er et grunnsyn som forplikter, og som både regjering og opposisjon bør merke seg. Det gjelder ikke bare i festtaler, men framfor alt når kritiske spørsmål skal avgjøres i forvaltningsplan for havområdene, i beslutninger om sjødeponier for gruveavfall eller om nye vasskraftutbygginger. Vi trenger verdinøytral kunnskap for å kunne avklare hva og hvor iskanten er og i spørsmålet om hvorvidt gruveavfall truer blålangens gyteområder. Når vi sier vi vil legge Artsdatabankens objektive, verdinøytrale fakta til grunn for naturforvaltningen, må vi også gjøre det f.eks. når den samme Artsdatabanken slår fast at arten ulv er kritisk truet i Norge. I det framtidige bærekraftige Norge, som alle synes enige om at vi vil utvikle – det er bare litt uenighet om vi vil gjøre det nå eller en annen gang – må natur nødvendigvis få større betydning og større verdi enn den har i dag. Et samfunn i balanse med omgivelser og framtid må i langt større grad baseres på ressurser som reproduserer seg selv – altså på natur. Behovet for mer kunnskap om norsk natur strekker seg derfor langt forbi det som trengs for å ivareta tradisjonelt naturvern. Dagens gode vedtak om en mer kunnskapsbasert naturforvaltning må derfor være en begynnelse, og de 25 millionene vi nå bruker i året, må multipliseres mange ganger for å dekke den naturkartleggingen som vi kommer til å trenge for framtida. Sammenlikningsgrunnlaget er milliardene vi årlig investerer i petroleumskartlegging. Det er investering i naturkunnskap i en slik størrelsesorden vi må tenke når vi videreutvikler kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig

Og den blir enda større på grunn av klimaendringene. Det biologiske mangfoldet er også et stort offer for klimaendringene. Vi ser i dag at naturmangfold forsvinner i et tempo som er dramatisk mye raskere enn det vi har sett tidligere. Flesteparten av økosystemene vil få problemer med å tilpasse seg et varmere klima. Arter må flytte oppover i fjellet eller nordover. Arter med små populasjoner er spesielt utsatt. Så arbeidet med det biologiske mangfoldet vil bare bli viktigere med årene. Arbeiderpartiet ønsker mange debatter i denne perioden rundt dette viktige spørsmålet. I dag er over 2 000 arter og over 40 naturtyper i Norge utryddingstruet og trenger en aktiv redningsaksjon. Derfor haster det med å styrke vern og skjøtsel av truet natur – hvis ikke, blir mye borte de neste tiårene. Det biologiske mangfoldet har en verdi i seg selv, men det har også en stor verdi for mennesker. Arter og naturtyper produserer livsnødvendige tjenester til oss: rent vann, ren luft, Derfor er et mangfold nødvendig for å sikre disse tjenestene også i forutsetter at arbeidet med å sikre arters overlevelse i Norge videreføres gjennom naturmangfoldloven og gjennom den handlingsplanen for naturmangfold som regjeringen har sagt skal komme til Stortinget. Arbeiderpartiet ser fram til at Stortinget skal få den i løpet av året, og gjennom behandlingen av meldingen i Stortinget må vi legge til rette for at det utarbeides nye handlingsplaner for arter og naturtyper. Vi må iverksette og igangsette konkrete tiltak som bygger opp igjen ødelagt natur, og som gir vern mot aktiviteter som kan ha negativ påvirkning på artene. Vi må styrke artsprosjekt for å få mer kunnskap om naturen. La meg til slutt si at for å styrke kunnskapsgrunnlaget for framtiden, må vi få til et løft for å rekruttere flere unge folk til å utdanne seg og drive med forskning innenfor dette fagfeltet. Viktig nøkkelkompetanse forsvinner hvis ikke flere studenter utdannes til økt kunnskap om og forståelse for naturen og artsmangfoldet. Så vi må både utdanne flere og ansette flere til å arbeide med dette viktige arbeidet. Tidligere i dag behandlet Stortinget langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og vi beklager at i både denne saken og den saken vi behandlet tidligere i dag, valgte regjeringspartiene ikke å tilslutte seg de merknadene vi har om viktigheten rundt dette feltet. Men vi håper at ministeren engasjerer seg internt i regjeringen, i samarbeid med kunnskapsministeren, for å få flere forskere på dette viktige området. Naturmangfoldet er

Økosystemet som verdens artsmangfold utgjør, yter utallige og essensielle tjenester. Det er derfor avgjørende at vi forvalter det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte. Menneskene har et grunnleggende ansvar for å forvalte naturen. Vi har en plikt til å bevare livsgrunnlaget vårt på en slik måte at vi overleverer kloden til våre etterkommere i minst like god stand som da vi overtok den. Naturen må derfor forvaltes med respekt, ut fra sin egenverdi. Naturens mangfold er utviklet naturlig over lang tid og gjennom påvirkning fra sivilisasjonen. Det er en viktig oppgave å ta vare på naturens mangfold for kommende generasjoner. Dette skjer etter Høyres mening best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk. Artsmangfoldet har endret seg gjennom hele jordens historie, arter har forsvunnet, endret seg, og nye har kommet til. Dette er en naturlig del av evolusjonen og livsformen. Derfor forsvant bl.a. dinosaurene for 65 millioner år siden, og en rekke andre arter har forsvunnet som følge av at de ikke har klart å tilpasse seg endrede livsbetingelser på jorden. Denne utviklingen har alltid skjedd og vil fortsette. Det som er alvorlig, er den utryddelse av arter som ikke er en del av den naturlige evolusjonen og livsformen på jorden, men som kommer i tillegg som følge av menneskelig aktivitet, og som pågår i et langt raskere tempo. Denne utryddelsen av arter er det vi må stoppe. Selv om det hersker ulike oppfatninger om hvor raskt utryddelsen av arter skjer, er det likevel viktig at det settes i Gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enig om å stanse utryddelsen av arter, og under denne konvensjonen ble verdens land i Nagoia i 2010 enige om en strategisk plan for å oppnå dette målet innen 2020. Aichi-målene er en plan bestående av 20 delmål. Konvensjonen er viktig, men det viktigste er likevel hvordan man følger den opp på hjemmebane for å nå målene. Mange av delmålene vil være krevende å innfri i Norge, og de stiller oss overfor en rekke dilemmaer og mulige konflikter. Et viktig verktøy for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven, som Stortinget vedtok våren 2009. Loven gir felles rammer, prinsipper og regler for bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. En viktig forutsetning for at naturmangfoldloven skal virke etter hensikten, er at vi har tilstrekkelig kunnskap om forskjellige arter, naturtyper og økosystemer. Regjeringen og samarbeidspartiene har startet Kunnskapsløftet. I 2015 er det øremerket 25 mill. kr til kartlegging av truede arter og naturtyper. Det er en god begynnelse. Økt kunnskap er avgjørende for å kunne føre en miljøpolitikk tuftet på forvalteransvaret. Samtidig vil økt kunnskap gjøre det lettere å forene naturens behov med behovene en moderne sivilisasjon krever. Også i fremtiden vil vi trenge nye veier, jernbanelinjer, kraftoverføringer og flere bygg og boliger. Et sterkt kunnskapsgrunnlag vil sikre mer effektive og mindre konfliktfylte planprosesser og utbyggingssaker. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av økt kunnskap og økt kartlegging vil være betydelig. Regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny handlingsplan for naturmangfold i 2015, og at handlingsplanen vil omfatte forslag til tiltak som vil forbedre datagrunnlag, datakvalitet, databaser og ikke minst deling av data. Innhenting av ny konkret kunnskap om forekomster av verdifulle naturtyper må få høy prioritet. Artsdatabanken spiller i dag en svært viktig og sentral rolle i å levere objektive vurderinger av rødlisting og svartelisting av arter og rødlisting av naturtyper. Det er naturlig at Artsdatabanken har en sentral rolle i utviklingen av datasystemer for praktisk naturtypekartlegging, lagring av naturtypedata, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring. La meg til slutt si at det er gledelig at det er så bred enighet i Stortinget om å satse på økt kunnskap om norsk natur. Det er viktig for å ruste Norge for fremtiden. Jeg vil starte med å si at det å være politiker i denne perioden er

et kunnskapsløft for naturen. Et kunnskapsløft vil bidra til at vi får på plass kunnskap om den mest verdifulle naturen vi har, natur som er spesielt viktig å ta vare på for å bevare biologisk mangfold. I dag er situasjonen den at tre av fire av de mest verdifulle naturområdene i Norge ikke er kartlagt. Norge mangler dermed et solid og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hvor den trua naturen finnes. Skal vi få det til, må vi kartlegge naturen vår, både for arter og for naturtyper. Kunnskapsbasert forvaltning av naturen krever at verdiene er kartlagt, slik at man vet hva som finnes hvor. Allerede så tidlig som i 1997 var det et politisk mål at alle kommuner skulle ha gjennomført kartlegging og verdisetting av det biologiske mangfoldet på kommunens arealer innen 2004. I 2007 var ca. 27 000 lokaliteter på fastlandet kartfestet. I dag er det rundt 51 000 som er kartlagt. Dette ville tilsvart nesten 40 pst. dekning etter 2007-tallene, men det har i mellomtida kommet inn nye naturtyper som ikke var kjent som verdifulle i 2007. I tillegg tilsier internasjonale forpliktelser at flere naturtyper bør kartlegges. På denne bakgrunn anslo Miljøfaglig Utredning i oktober 2013 at 25 pst. dekning av viktige naturtyper er et rimelig anslag på landsbasis. På artsnivå er kunnskapen sannsynligvis enda dårligere. Dekningsgraden av verdifull natur har dermed stått nesten på stedet hvil siden Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører biologisk mangfold, baseres på kunnskap. I tillegg skal føre-var-prinsippet ligge til grunn. Bedre kunnskap vil, i tillegg til å sikre naturverdier, redusere konflikter og øke hastigheten i planprosesser Kunnskaper om naturverdier vil ofte gjøre det mulig å finne tilpasninger som reduserer konflikter. SABIMA, Norsk Industri, Norsk Bergindustri og Byggenæringens Landsforening tok i vår initiativ til å få et kunnskapsløft for naturen. Hvorfor finner en så spesiell allianse, må vi vel si, sammen? Jo, all erfaring tilsier at når en har kunnskap om naturverdier i starten av en planprosess, vil det ofte være mulig å finne alternativer og tilpasninger som reduserer konfliktpunkt, eller endog fjerner dem helt – raskere beslutninger i byggeprosesser og mindre av at trua natur forsinker og fordyrer bygging av veier og boliger. Hastigheten i planprosesser vil samtidig øke fordi gode kartlegginger av naturverdiene fort kan ta tid. De er ofte årstidsbestemt og kan kreve en del planlegging. Naturen har både en egenverdi og yter oss verdifulle tjenester. Vi er forpliktet til etter både nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler å ta vare på naturmangfoldet. Derfor må vi vite hvor naturverdiene eksisterer. Når vi vet det, kan planleggingen ta hensyn til dette og bidra til at fremtidige generasjoner får nyte det biologiske mangfoldet. Kartlegging vil være fundamentet for kunnskapsbasert forvaltning. Det er derfor i alles interesse at naturtypene i Norge kartlegges langt bedre enn i dag. Jeg er glad for at vi i budsjettavtalen fikk gjennomslag for 25 mill. kr til et kunnskapsløft for natur. Det er en start, og jeg håper vi kan øke satsinga i åra fremover. Hvorfor er

Bakgrunnen er at Norge er et av de landene i Europa med størst naturvariasjon – fra nord til sør, fra øst til vest, fra hav til høyfjell. Vi er et sjeldent land, med stor variasjon og dermed stor artsrikdom. Utforskning av mangfoldet av arter og naturtyper sto helt sentralt i forskning og undervisning ved norske universiteter og høyskoler fram til Etter det har internasjonaliseringa og forskning og undervisning endret kriteriene for støtteverdig forskning fullstendig. Forskning med hovedformål å beskrive naturvariasjon, arter og økosystemer blir ikke finansiert av Forskningsrådet i 2015. Fagligheten er under press, og det er en sammenheng mellom nedbygging av fagmiljøene og svekkelsen av vern på vitenskapelig grunnlag. Og videre, utdanninga: Svekking av naturmangfoldforskning ved universitetene har ført til nedtrapping av forskningsbasert undervisning. Feltundervisning er kraftig redusert, særlig på lavere grads studier. Og nye kandidater har mye svakere kunnskap om arter, naturtyper og kartleggingsmetodikk i dag enn for 30 år siden. Paradoksalt nok har etterspørselen etter kandidater med slik bred kunnskap økt sterkt. Og det tredje: langsiktighet. Naturen er kompleks, djup naturmangfoldkunnskap krever allsidig fagbakgrunn innen biologi, geologi, geografi, kjemi og historie – og mange års feltarbeid. Langsiktighet er en forutsetning for å bygge opp og opprettholde slik kunnskap hos den enkelte og i fagmiljøene, og kompetansen må overføres mellom forskergenerasjonene for ikke å gå tapt. Hvordan bør ansvaret for ulike oppgaver innenfor naturmangfoldfeltet fordeles? Bakgrunnen er at det er brukt flere hundre millioner kroner på kartlegging av naturtyper og landskap i Norge. Store deler av denne kartleggingen oppfyller ikke rimelige krav til presisjon, verdinøytralitet og etterprøvbarhet. Kartleggingsresultatene må kvalitetssikres og være partsnøytrale for å tilfredsstille samfunnets behov for kunnskap om naturtypers utbredelse og tilstandsutvikling og for overvåking av endringer. Kunnskapsbasert naturforvaltning krever tydelig skille mellom tre ansvarsområder. Punkt 1 er overordnet faglig ansvar – f.eks. for utvikling av naturtypesystem, kartleggingsmetoder og vedlikehold av artsnavneverk, sertifisering av kartleggere og undervisning og etterutdanning. De fleste av disse oppgavene er historisk sett del av universitetsmuseenes samfunnsoppdrag. Universitetene og høyskolenes frie rolle forhindrer i dag Kunnskapsdepartementet fra å instruere universitetene til å videreføre dette ansvaret. Fordi undervisningen må være forskningsbasert, mener Senterpartiet at disse oppgavene fortsatt må være universitetsmuseenes ansvar, her må Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet finne en løsning sammen. For Senterpartiet er den opplagte løsningen et senter for naturmangfoldkunnskap ved museene som bygger på de gode erfaringene med den nasjonale forskerskolen i biosystematikk. Og ansvaret for opprettholdelse av en nasjonal kompetanse på ulike artsgrupper og på naturtypevariasjon må fordeles på ulike miljøer og sikres langsiktig finansiering. Punkt 2: Hvem skal så ha ansvaret for lagring og tilgjengeliggjøring av verdinøytral Her står Artsdatabanken sentralt. Som partsnøytral kunnskapsinstitusjon bør Artsdatabanken få et tilsvarende ansvar også for naturtypeinformasjon. Og til slutt: Ansvar for forvaltningsmessige vurderinger, inklusiv verdivurderinger, prioritering av forvaltningstiltak, må tillegges den enkelte sektormyndighet. Det handler altså om å ha klare skiller mellom det faglige ansvaret ved universitetsmuseene

også tidligere i debatten, f.eks. om Artsdatabankens sentrale rolle. Jeg skal være kort, men jeg skal ta opp det jeg mener er kanskje det viktigste. Det er at vi i årene framover også følger opp den viljen som ligger til grunn for de 25 mill. kr som nå er lagt inn i budsjettet. Det er mye kunnskap om hva vi trenger å gjøre, men det må ligge en vilje til grunn for også å følge det opp systematisk, med midler over tid. Det å innhente den kunnskapen kan jo også gi seg litt underlige utslag. For min egen del fikk jeg i forfjor oppkalt en snylteveps etter meg, en Aphelinus elvestueni, som jeg er veldig stolt over. Den er registrert ved landbruksuniversitetet i Tbilisi, og dette gjøres i et samarbeid med Universitetet i Tbilisi, og dette gjøres i et samarbeid med Universitetet i Oslo og et universitet i Texas, som jobber videre med den. Men det er nå en liten detalj. Det er klart at med mangelen på systematikk i arbeidet med å få kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge trenger vi å videreføre det kunnskapsløftet som vi satte i gang – mener jeg – i budsjettet nå en liten detalj. Det er klart at med mangelen på systematikk i arbeidet med å få kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge trenger vi å videreføre det kunnskapsløftet som vi satte i gang – mener jeg – i budsjettet for i år. Fra Venstres side må vi i hvert fall være tydelig på at dette kun er et første steg, og det er noe vi kommer til å legge trykk på ved nye budsjettrunder i årene framover. Det Presidenten vil gratulere representanten Elvestuen med å ha fått oppkalt en snylteveps etter seg. For egen del ville jeg nok ha foretrukket et litt større dyr, men en snylteveps er heller ikke så verst. Eg vil takka Senterpartiet spesielt for at dei løfter denne viktige saka. saka. Det har vore ei interessant komitéhandsaming med omsyn til representantforslaget. No er det ein samla komité som slår fast at tap av naturmangfald er ei av dei store utfordringane i vår tid. Når vi menneske utryddar ein art, finst det ingen angrerett. Saka er godt og grundig gjort greie for. For å ta vare på naturmangfaldet trengst først og fremst kunnskap. Difor er det bra at så godt som heile Stortinget meiner at det trengst eit kunnskapsløft for naturen. No forpliktar vi oss alle til å bidra ved at tilstrekkeleg oppfølging kjem i budsjetta framover, slik òg Elvestuen peikte på. Vidare er det viktig for kunnskapen om naturmangfaldet at komiteen anerkjenner at Artsdatabanken spelar ei nøkkelrolle. Eg er difor glad for at ein samla komité slår fast at Artsdatabanken skal ha ansvar for utvikling av datasystem for praktisk naturtypekartlegging i felt, for lagring av naturtypedata, for at dataa blir kvalitetssikra og for å gjera data tilgjengeleg for brukarar. Vidare viser eg til komitéinnstillinga når det gjeld merknader og posisjonar frå SV. Den store handsaminga av tiltak og verkemiddel for å ta vare på naturmangfaldet kjem i stortingsmeldinga om naturmangfald, som regjeringa no har forplikta seg til å leggja fram, og i SV ser vi fram til den debatten òg. Jeg er

Vi skal ha et godt kunnskapsgrunnlag for det arbeidet vi gjør for å ta vare på naturen. Det må vi ha for å nå de nasjonale målene, som er å opprettholde eller jobbe for god tilstand i norske økosystemer, ta vare på truet natur og sikre representativ bevaring av natur. Miljøforvaltningen har de senere årene lagt stor vekt på å forbedre kunnskapen. Forvaltningen skal være og er kunnskapsbasert. Likevel er det behov for å videreutvikle og forbedre kunnskapsgrunnlaget. Det aller viktigste er å innhente mer informasjon om hvor den viktigste naturen er, og hvilke arter vi har, dvs. at vi trenger mer kartlegging. Jeg viser i den forbindelse til økningen på 25 mill. kr til kartlegging av natur på årets budsjett. Jeg vil i den kommende meldingen om nasjonal handlingsplan for naturmangfold legge fram forslag til tiltak for å bedre kunnskapen om norsk natur. For at vi skal få god kunnskap, må det utdannes folk som har nødvendig kompetanse fra universiteter og høyskoler. Det er grunn til bekymring når forskning på arter og naturtyper over flere år har fått redusert omfang og status. Sammen med kunnskapsministeren vil jeg arbeide med å forbedre dette i arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Kartlegging av naturtyper skal gjennomføres etter en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Det er viktig med en felles standard for naturtypebeskrivelse. Det legger til rette for at flere sektorer bidrar i et felles løft for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Jeg mener at Artsdatabankens naturtyper i Norge skal utgjøre kjernen i dette. Dette utgjør et felles klassifiseringssystem for kartlegging av natur. Det bør ligge til grunn for inndeling og definisjoner i all naturkartlegging, både i miljøforvaltningen og i andre sektorer. Dette medfører forenklinger og forbedringer og dessuten økt ressurseffektivitet. Artsdatabanken skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter. De bør utvikle datasystemer for praktisk naturtypekartlegging i felt, lagre naturtypedata og kvalitetssikre data samt gjøre dataene tilgjengelig for alle brukere. Miljødirektoratet skal definere hvilke naturtyper som skal kartlegges, og bestille kartlegging av disse. De skal også utarbeide kriterier for verdsetting av natur. Det er et viktig prinsipp at data om arter og naturtyper skal være åpent og fritt tilgjengelig for alle brukere. Arbeidet for å sørge for at offentlig finansiert kunnskap gjøres tilgjengelig, skal videreføres. I dag er det dessverre naturinformasjon som ikke er tilgjengelig i offentlige databaser. Eksempler på dette er data som er innhentet gjennom konsekvensutredninger, altså KU. I et revidert KU-regelverk som trådte i kraft 1. januar i år, inngår nå krav til innlegging av data i offentlige databaser. Et godt kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn for vår bruk av virkemidler. Mange av virkemidlene for å ta vare på natur finner vi i naturmangfoldloven. I regjeringserklæringen står det at naturmangfoldloven skal ligge fast, men at praksisen skal gjennomgås. Dette har vi gjort. Regjeringen vil gjennom stortingsmeldingen om nasjonal handlingsplan for naturmangfold legge fram en plan for bruk av virkemidler for å ta vare på natur. En klargjøring av bruken av virkemidlene, prioriterte arter og utvalgte naturtyper vil inngå her, bl.a. basert på anbefalinger fra den nevnte erfaringsinnhentingen. Det blir replikkordskifte. Det har vært mange konflikter knyttet til vern av arter og naturtyper, og naturmangfoldloven er

naturforvaltning. Jeg vil da stille statsråden spørsmål om skillet mellom ansvarsområdene her, om statsråden er enig i det, om et klart skille mellom det overordnede faglige ansvaret, hvor man legger fram den objektive, etterprøvbare kunnskapen etter felles metodikk, tilgjengeliggjøringa av kunnskapen gjennom Artsdatabanken og – til slutt – de forvaltningsmessige vurderinger knyttet til den enkelte sektormyndighet. Er statsråden enig i den delinga av ansvaret? Det jeg nå oppfatter, er at komiteen også hjelper til med å rydde i hva som er Artsdatabankens ansvar, og hva som er Miljødirektoratets ansvar. ansvar. Jeg tror det er veldig fornuftig med de avklaringer som er gjort i behandlingen av denne saken, at vi nå framover ser på hvordan vi best kan løse de utfordringer vi har med for lite kunnskap. Jeg tror at den grunnleggende utfordringen her er å få mer kunnskap. Nå har vi også fått økt bevilgningen i 2015 for å forbedre kartleggingen av dette. Jeg tror det er det grunnleggende. Og så rydder vi nå ytterligere opp i hva Artsdatabanken er ansvarlig for, og hva Miljødirektoratet er ansvarlig for. Det er ingen uenighet om spørsmålet om å få mer kunnskap, og jeg håper samtidig at det også er enighet om at kunnskapen må forvaltes sånn at en får større tillit blant de partene som skal bruke dette, slik at konfliktene kan reduseres. Jeg må gjenta spørsmålet mitt: Er statsråden enig i at vi skal ha et klart tredelt skille mellom – punkt 1 – den som innhenter kunnskapen, altså de faglige, uavhengige og etterprøvbare metodene som de bruker, punkt 2 – den som sitter med ansvaret for artsinformasjonen, og forvaltningen – punkt 3 – som er knyttet til den enkelte sektormyndighet? Jeg oppfatter at komiteen i sin innstilling er med på å klargjøre hvem som er ansvarlig for hva, og det er Men jeg vil også minne om at Miljødirektoratets kartleggingshåndbøker har gitt et svært viktig grunnlag for norsk natur siden 1990-tallet. Og den naturtypekartleggingen har gjort det mulig, for både kommuner og sektorer, å ha en oversikt over og ta hensyn til naturtyper, som er viktig for det biologiske mangfoldet. Vi vet også at når den neste versjonen av Artsdatabankens klassifiseringssystem, Naturtyper i Norge, kommer i år, kan også den legges til grunn for en ny naturtypekartlegging. Men det grunnleggende er å få mer kunnskap om norsk natur, og vi rydder ytterligere nå for å klargjøre hva Artsdatabanken er ansvarlig for, og hva Miljødirektoratet er ansvarlig for. Da Senterpartiet fremmet forslaget, var det for å komme videre og vekk fra en del av de unødvendige konfliktene som vi har. Og det jeg nå prøver å få statsråden til å bekrefte, er det samme som jeg forstår ligger i innstillinga, og som det er bred enighet om. Men det er veldig avgjørende og viktig å ha den tredelinga klart for seg: Det skal være én part som er ansvarlig for å få fram kunnskapen

Jeg kan ikke se at det er noe i innstillinga som er i strid med det jeg nå sier, men hvis en får en slik klargjøring, får en mindre konflikter. Er statsråden enig i den hensikten og den inndelinga som jeg nå har skissert? Når representanten Lundteigen ikke vil støtte resten av komiteen i de overordnede avklaringer av ansvaret mellom Artsdatabanken og Miljødirektoratet, blir det på en måte om en skal tolke det som et forsøk på å så tvil om Miljødirektoratets ansvar. Det er dette jeg er opptatt av: Hva har Artsdatabanken ansvar for, og hva er Miljødirektoratets ansvar? Jeg mener at komiteen her har kommet fram til en god klargjøring av det. Jeg er opptatt av at vi tar med oss de avklaringene videre, at vi ser framover med hensyn til hvordan vi best kan løse de utfordringene vi har med det å ha for lite kunnskap.

Kan hun utdype når vi kan vente oss en klar plan for hvordan dette behovet vil bli tatt tak i – om hun vil komme tilbake til Stortinget med en slik plan? Det jeg sa, var at jeg vil følge dette opp gjennom det videre arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Jeg deler representanten Hanssons syn, at vi har for få som er engasjert i dette feltet. Det anslås at vi til sammen har 25–30 doktorgradsstipendiater i biosystematikk ved universitetene i dag, med finansiering fra ulike kilder. I tillegg kommer 50 faste vitenskapelig ansatte knyttet til samme fagfelt. Behovet for å dekke dette kunnskapsområdet er mye større. Derfor varslet jeg i mitt innlegg at dette tar jeg – sammen med kunnskapsministeren – opp i den langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som regjeringen nå arbeider med. Jeg tør ikke akkurat nå fastslå når en kommer tilbake til Stortinget med dette, men jeg har sagt at jeg tar det opp i den sammenheng. Replikkordskiftet er omme.

er at i praktiseringa av dette faglige grunnlaget viser det seg at det er store kunnskapshull. Det er store kunnskapshull ved at det er for lite etterprøvbarhet, og det er brukt ulike kartleggingsmetodikker. Jeg er veldig glad for statsrådens presisering av at vi nå skal få etterprøvbar dokumentasjon av disse viktige naturtypene og artene, og at vi skal ha en kartleggingsmetodikk som er lik. Og når det gjelder det jeg sa i mitt første innlegg om det faglige grunnlaget, føler jeg at statsråden fulgte opp, og jeg er veldig takknemlig for det. Det som nå trengs for å fylle de store kunnskapshullene som er, er en bred, nasjonal innsats, der forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner løfter sammen. Og jeg vil understreke at det må være et samspill mellom forskningsinstitusjonene og frivillige organisasjoner, men det må være den samme metodikken, slik at enhver frivillig organisasjon som kommer til at det her er sjeldenheter, angir det på en måte som gjør at andre kan gå inn og se på den angivelsen og kommentere den, og dermed gjøre den bedre, slik at arbeidet blir dyktigere gjort. altså mobiliseres. Det er viktig med tilstrekkelig og langsiktig finansiering. Det er ingenting som er mer langsiktig enn det vi her gjør. Vi skal både se på hva som er artssituasjonen på tidspunktet, og følge med på utviklinga av arter og naturtyper. Og der hvor det skal foretas et vern, må vi sikre oss at det som er formålet med vernet, er presist beskrevet, og det vernet skal ivaretas i all evighet framover, så langsiktighet er det mest sentrale i det vi her snakker om.

Det er utviklet et finstemt system, hvor ulike hensyn balanseres gjennom forvaltningsplanene for de ulike havområdene. Planene har til hensikt å samordne og prioritere bærekraftig bruk av ressursene, men samtidig å sette forpliktende krav om beskyttelse. Den store fordelen med forvaltningsplanene er at de bygger sitt grunnlag på massiv kunnskapsinnhenting, konsekvensutredninger og ulike arenaer hvor synspunkt vektes mot hverandre. Behovet for en mer helhetlig forvaltning av norske havområder ble tydeliggjort i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen Rent og rikt hav i 2002. Fra den gang og fram til nå har helhet og kunnskap vært bærebjelken i forvaltningen. Derfor er organiseringen av forvaltningsplanarbeidet innrettet slik at alle sektormyndigheter og andre interesserte parter må samarbeide i arbeidet med forvaltningsplanene. Arbeidet med forvaltningsplanene skal koordineres av en interdepartemental styringsgruppe hvor alle berørte departementer er representert. Dette gir en faglig styrke i arbeidet, hvor også de underliggende fagetatene bidrar med sin fagkompetanse. Hensikten med forvaltningsplanene er ikke at de skal være endelige. Tvert om: Forvaltningsplanene skal sikre at vi hele tiden har oppdatert kunnskap, og at politiske avveininger tas på bakgrunn av dette. I forvaltningsplanene blir det også framhevet hvilke spørsmål det må arbeides videre med, bl.a. for å sikre god sameksistens mellom de ulike områdene som vektes i de ulike planene. Det er viktige arbeidsoppdrag for veien videre og neste rullering. Da Stortinget behandlet forvaltningsplanen for Norskehavet, skrev en samlet komité den gangen, våren 2009, bl.a.: «Komiteen har merket seg at miljøtilstanden i Norskehavet er god, og at de mest kjente verdifulle og sårbare områdene er identifisert i forvaltningsplanen. Det er imidlertid et betydelig kunnskapsbehov knyttet til mer presis informasjon om miljøverdier som korallrev og annet naturmangfold på havbunnen i Norskehavet.» Videre står det at: Komiteen har videre merket seg at forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig, første gang senest i 2014. Fullstendig revisjon skal foretas i 2025.» Sterkere og tydeligere føringer Den 27. november i fjor stilte stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen et skriftlig spørsmål, som egentlig er redegjort for gjennom presidentens opplesning. Hun – og nå undertegnede – stiller spørsmål ved om at faggrunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet skulle vært ferdigstilt av Faglig forum innen 15. april 2014. Så kommer spørsmålet: «Foreligger disse planene, og når har statsråden tenkt at disse skal offentliggjøres?» Svaret som ble gitt, var følgende:

noe som et samstemt storting så til de grader har lagt til grunn for sin tilslutning til en forvaltningsplan, og jeg håper dette svaret var en glipp fra klima- og miljøministeren. Jeg siterer igjen: «Med bakgrunn i avklaringer i regjeringens politiske plattform har regjeringen ikke tatt endelig stilling til behovet for å legge fram en oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet nå.» Dette er etter mitt skjønn et uakseptabelt svar, med mindre det er statsrådens ønske å sette til side som Stortinget så ettertrykkelig sa våren 2009. Jeg tror ikke det. Jeg håper ikke dette er starten på at regjeringen har til hensikt å bryte en meget god tradisjon som startet med stortingsmeldingen om et rent og rikt hav i 2002, og som har fulgt oss, egentlig, fram til i dag, gjennom det arbeidet som er nedlagt i forbindelse med utarbeidelse og rullering av forvaltningsplanene. Jeg håper derfor at klima- og miljøministeren veldig tydelig og uten noen form for forbehold garanterer for at forvaltningsplanen for Norskehavet – og andre rulleringer – kommer til Stortinget, og at rullering for Norskehavet kommer i inneværende år. Et annet spørsmål som har dukket opp og – skal vi si – aktualisert denne interpellasjonen, er jo at i løpet av de siste dagene er regjeringens meget bemerkelsesverdige utlysning av 23. konsesjonsrunde for oljeindustrien foretatt. Samme dag som utlysningen skjer, får man altså en kunngjøring fra klima- og miljøministeren om at man vil foreta en enkeltoppdatering av iskanten og dennes definisjon i forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet – høyst bemerkelsesverdig! Hva er det vi kan forvente kommer? Kommer det en sak som bygger på de samme forvaltningsprinsippene som er innarbeidet for tidligere rullering? Kan vi forvente at det er oppdatert kunnskapsgrunnlag, konsekvensutredninger og høringer som danner grunnlaget? Eller er det nok en gang slik at regjeringen bryter forutsetningen, basert på en høyst utydelig politisk definisjon, som igjen vil bryte med prinsippet om forvaltningsplanenes viktige grunnstein om oppdatert kunnskap, nye konsekvensutredninger og faglige avveininger? Avslutningsvis håper jeg at denne interpellasjonen tydelig kan avklare følgende forhold. Vil statsråden sørge for at Stortingets forutsetninger om rullering og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i forvaltningsplanene fortsatt skal legges til grunn i norsk forvaltningspraksis for havområdene? Hvis «ja»: Hvor ofte mener klima- og miljøministeren eksisterende forvaltningsplaner bør rulleres og oppdateres, på en helhetlig og forsvarlig måte? Og punkt 3: Vil statsråden sørge for, når Stortinget en eller annen gang i løpet av våren får en oppdatering av iskanten, at denne bygger på de samme faglige prinsipper og grundighet og analyse som ligger i en ordinær rullering av forvaltningsplanene?

Norge skal være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av havområdene. Det er et mål å sikre en helhetlig, økosystembasert forvaltning som tar vare på naturmangfoldet og gir grunnlag for en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Internasjonalt har Norge en ledende rolle i å utvikle kunnskap om og forvaltning av miljøet og ressursene i havområdene og på kontinentalsokkelen. Forvaltningsplanene har høstet betydelig anerkjennelse internasjonalt. En rekke land har nå etablert en tilsvarende forvaltning av havområdene, bl.a. EU gjennom havstrategidirektivet. Klimaendringer og økt aktivitet i havområdene skaper stadig nye utfordringer. Havnasjonen Norge har interesse av å opprettholde og videreutvikle rollen som en ansvarlig forvalter av havet. I St.meld. nr. 12 for 2001–2002, Rent og rikt hav, den såkalte havmiljømeldingen, fremmet regjeringen Bondevik II en mer økosystembasert og sektorovergripende havmiljøpolitikk med helhetlige forvaltningsplaner som verktøy. I havmiljømeldingen framgikk det bl.a. at: «De helhetlige forvaltningsplanene for havområdene vil med utgangspunkt i de sektorvise konsekvensutredningene gi grunnlag for å etablere verneområder og gi generelle retningslinjer for virksomhet i havområdene.» Situasjonen da var preget av fragmentert forvaltning og mangel på et helhetlig kunnskapsgrunnlag. Det er nå utarbeidet helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene. Disse bygger alle på felles faglige grunnlag som er utarbeidet på tvers av sektorene. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i overordnede rammer, samordning og prioriteringer i forvaltningen av havområdene. Norge har med dette et politisk verktøy for helhetlig havforvaltning og for legitimitet omkring beslutninger som omhandler balansen mellom næringsinteresser og miljøhensyn i våre havområder. Forvaltningsplanene har som kjent fått bred tilslutning i Stortinget. Interpellasjonen fra representanten Aasland gir en anledning til å tydeliggjøre at forvaltningsplanarbeidet skjer i to trinn. Første trinn er det faglige grunnlagsarbeidet, mens trinn to er selve forvaltningsplanene for de enkelte havområdene. Det er i selve forvaltningsplanene i meldinger til Stortinget at regjeringen presenterer sin overordnede politikk for å balansere hensynet til miljø og til bærekraftig

Den reviderte forvaltningsplanen vil bli lagt fram i en melding til Stortinget i 2020. Stortinget har tilsvarende forutsatt revideringer av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2025 og forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak i 2030. Et viktig grep i forvaltningsplanene er identifisering av enkelte områder som særlig verdifulle og sårbare områder. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for den biologiske produksjonen og/eller naturmangfoldet i havområder, også utenfor områdene selv. Områdene har høy tetthet av miljøverdier som fisk, sjøfugl m.m. og er sårbare for ulike menneskelige påvirkninger. Gjennom tiltak i forvaltningsplanene er det valgt å vise særlig aktsomhet i de særlig verdifulle og sårbare områdene. Et slikt særlig verdifullt og sårbart område er iskanten. Ved behandling av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten i 2011 sluttet Stortinget seg til at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet ved iskanten i forrige stortingsperiode. Dette er videreført i regjeringens politiske plattform med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre for inneværende periode. Samtidig har Stortinget forutsatt at dette ikke er til hinder for at det kan drives petroleumsvirksomhet i hele Barentshavet sørøst. Iskanten har i de senere årene flyttet seg nordover. Som de fleste vel har notert seg, vil regjeringen i løpet av våren 2015 legge fram for Stortinget en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten med en oppdatert beregning av iskanten. Forvaltningsplanens iskant er definert i det faglige grunnlaget helt tilbake til 2003 og har ligget til grunn for angivelse av det særlig verdifulle og sårbare området iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten i 2006 og 2011. Denne blir nå oppdatert med nye isdata fra

Overvåkingsgruppen består av relevante etater og forskningsinstitusjoner og ledes av Havforskningsinstituttet. Gruppens mandat er fastsatt av berørte departementer. Overvåkingsgruppen skal i henhold til sitt mandat bidra til god samordning av pågående overvåking og sammenstille og vurdere relevante overvåkingsresultater. Overvåkingsgruppen skal formidle resultater av gruppens faglige arbeid og jevnlig rapportere om utviklingen i miljøtilstanden i hvert av de tre norske havområdene, bl.a. på nettstedet miljøstatus.no. I tillegg til Overvåkingsgruppen er det etablert et Faglig forum for helhetlig og økosystembasert som ledes av Miljødirektoratet og består av etater og forskningsinstitusjoner under de berørte departementene. Faglig forum arbeider på grunnlag av et felles mandat fastsatt av alle de berørte departementene. Gruppen skal utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene og bl.a. beskrive endringer og utviklingstrekk for miljøtilstanden så vel som næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk, påvirkning på miljøet så vel som de havbaserte næringenes verdiskaping. Rapportene presenteres offentlig og er gjenstand for høring, slik at også organisasjoner og allmennheten har muligheten til å kommentere det faglige grunnlaget og eventuelle andre forhold de mener bør legges til grunn når regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan. Det er på denne måten et særtrekk ved forvaltningsplanene at det faglige grunnlagsarbeidet fullt ut skjer på tvers av de ulike departementenes underliggende etater og relevante forskningsinstitusjoner. Ved oppdatering eller revidering av forvaltningsplanene sammenstilles det normalt et felles faglig grunnlag fra Faglig forum etter bestilling fra departementene og i tråd Dette utgjør det sentrale grunnlaget for den etterfølgende politiske prosessen med oppdatering eller revidering av selve forvaltningsplanen. Ved oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten med en oppdatert beregning av iskanten er bestillingen av faggrunnlaget avgrenset til dette konkrete temaet, da dette er den sentrale saken som skal forelegges Stortinget. Oppdateringene har så langt vært gjennomført i en tilnærmet femårs syklus, mens grundigere revideringer er lagt opp til å gjøres etter ca. hvert 15. år. Det faglige arbeidet under forvaltningsplanene, i både Overvåkingsgruppen og Faglig forum, innebærer at kunnskapen om havområdene holdes oppdatert. Jeg vil derfor hevde at norsk helhetlig havforvaltning til enhver tid bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. La meg avslutningsvis vise til at Stortinget har sluttet seg til at Norge skal «være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av havområdene» i behandlingen av nordområdemeldingen i 2011.

utenfor denne salen eller mellom noen partier i tilknytning til denne salen ikke er et grunnlag for å tilsidesette prinsipper, metoder eller føringer gitt av Stortinget på et tidligere tidspunkt. Det er utvilsomt sånn at Stortinget forutsatte for sin tilslutning til forvaltningsplanen for Norskehavet i 2009 at denne planen skulle rulleres i 2014. Da er det bekymringsfullt at klima- og miljøministeren til tross for det hun nå sier, har valgt å se bort fra – foreløpig – denne rulleringen fordi en har blitt enig om noe utenfor Stortinget som for Stortinget i seg selv er knekkende likegyldig. Stortinget har bedt om en rullering og ny grunnlagsvurdering i 2014, men har ikke fått det. Det er det vesentlige i det. Da er det grunn til også å sette spørsmålstegn ved det som jeg tror mange i denne sal oppfatter som litt unormal praksis, når en igjen skal oppdatere forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet knyttet til iskanten spesifikt. Jeg skal ikke forskuttere hva vi skal mene i den saken. Jeg vil bare allerede nå signalisere veldig tydelig at jeg forventer at den grundige, faglige vurderingen, kunnskapsbaserte tilnærmingen til problemstillingene og analysen i tilknytning til det, faktisk er redegjort for når Stortinget får seg forelagt den saken. Hvis ikke er det også grunnlag for bekymring, for da begynner en egentlig å forlate et mønster og et prinsipp knyttet til forvaltningsplanene, fordi en har lyst til å ivareta en politisk interesse eller motivasjon. Det vil etter min vurdering være å forlate den gode trenden og den gode skikken som er utarbeidet i tilknytning til forvaltningsplanarbeidet, hvor kunnskap er nøkkelen til videre politisk håndtering. Så til slutt: Med bakgrunn i de erfaringene klima- og miljøministeren har hatt som klima- og miljøminister nå i halvannet år, kan hun svare på hvor ofte en bør rullere forvaltningsplanene, i og med at det er litt utradisjonelt at en regjering kommer og legger fram en enkeltsak for Stortinget i tilknytning til en forvaltningsplan? Er det behov for nå å rullere oftere enn det en tidligere har antatt? Og vil eventuelt klima- og miljøministeren ta et ansvar for at det skjer?

oppdatering. Da mener vi at denne meldingen vil være tematisk avgrenset til iskanten i Barentshavet. Vurderingen er derfor at det ikke er behov for å involvere hele Faglig forum med alle de underliggende etatene, men at jobben kan utføres av Norsk Polarinstitutt. Norsk Polarinstitutt deltar for øvrig i sekretariatet for Faglig forum sammen med Miljødirektoratet. Men som jeg også sa i mitt første innlegg, skal vi samtidig i denne stortingsperioden starte en grundig faglig prosess fram til en full revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten i 2020.

vårt aller viktigste virkemiddel for å forvalte våre havområder på en sikker og bærekraftig måte – at all menneskelig aktivitet skal forvaltes i en større sammenheng. Vi skal være sikre på at det vi gjør, ikke ødelegger naturen og havets unike økosystemer.

Aktivitet i havområdene stiller oss overfor store dilemmaer og vanskelige politiske valg. Jeg mener historien har vist at vi har klart å gjøre relativt gode valg, at vi har klart å forene viktige ulike hensyn. Jeg tror mye av dette skyldes at vi i Norge har noen av de fremste fagfolkene i verden, som har kunnet gi oss det beste grunnlaget. Natten før oljenæringen skulle ha sin store konferanse i Sandefjord i år, sendte klimaministeren ut en pressemelding om at iskanten var Dette er en sak som skal opp i Stortinget senere i år, og det er ikke derfor vi har denne debatten i dag. Men jeg synes det er synd at regjeringen har lagt opp et løp som gjør at diskusjonen i stor grad kommer til å handle om hva som er fakta, og ikke om hva som er de politiske prioriteringene. prioriteringene. Det er klart at det er store forskjeller i de vurderingene de forskjellige partiene gjør, og jeg tror faktisk at det også er forskjeller internt i partiene når det gjelder hva slags vurderinger man gjør angående aktivitet knyttet til havområdene, så la oss ha de viktige debattene. Men nå er det altså skapt en debatt om hva det er som er fakta. I den rød-grønne regjeringen og internt i Arbeiderpartiet har vi disse diskusjonene, men vi har dem alltid med den samme virkelighetsforståelsen, med de samme fakta til grunn, fakta til grunn, og det har alltid vært det faglige omforente grunnlaget. Vi nedsatte tverrfaglige grupper som kom med et felles faktagrunnlag – det skulle ikke være noen tvil. Jeg synes det er synd at man nå har valgt en annen prosess, hvor man tar ut ett område og sender det til Stortinget. Jeg tror ingen tjener på en diskusjon om hva det er som egentlig er fakta. bør alltid ha best tilgjengelig faktakunnskap å forholde oss til, og det er det klima- og miljøministeren som har det øverste ansvaret for. Vi forventer at det ansvaret blir tatt. I helgen var det et portrettintervju med klima- og miljøministeren i Dagens Næringsliv. Ikke unaturlig kom det opp flere spørsmål om iskanten og om hun sto inne for det regjeringen har gjort. Men på spørsmål om hva hun mente om aktiviteten der, sier hun: «Ja, men det er en annen debatt.» På spørsmål om hvordan klimaendringene har påvirkning på dette, sier hun igjen: «Dette er en annen debatt.» Men det er jo nettopp derfor vi har forvaltningsplaner – fordi vi skal se debattene i en sammenheng, fordi vi ikke skal gjøre som klimaministeren og si at dette er en annen debatt. Forvaltningsplanene er ikke skapt for å skape økt aktivitet. De er skapt for å sikre at vi tar hensyn til naturen og til bærekraften, og at vi legger føre-var-prinsippet til grunn. På grunn av klimaendringene er områdene i forandring. Is smelter, artene dør ut, og områdene forandrer seg. Det gjør at vi hele tiden er nødt til å forbedre kunnskapen vår, sette kunnskapen inn i en større sammenheng. Det er sterke interesser for stor aktivitet av forskjellig art i havet. Dessverre er det ikke så sterke krefter som drar i retning av det føre-var-prinsippet som alle partier sier skal legges til grunn. Arbeidet med forvaltningsplanene er et av de viktigste redskapene nettopp for å forene dette. Det er klimaministerens verktøy, og derfor har vi beklaget at vi synes at det så langt har vært en for defensiv holdning fra ministerens side. Det er

selv i verdens rikeste land skjer det – og en definisjon av en iskant i et helt annet hav. Det ene spørsmålet handler om Norskehavet, og det andre handler tross alt om Barentshavet. Representanten Aukrust var opptatt av hva som var fakta. Det er selvsagt også vi, nettopp derfor var det så viktig å få ny, oppdatert faktakunnskap om hvor iskanten nå går. Det var ikke minst viktig fordi Stortinget jo hadde fattet et vedtak om at man på den ene side ikke skulle ha petroleumsaktivitet ved iskanten. På den annen side skulle ikke dette være til hinder for at man kunne åpne hele Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Så er det slik – man får si dessverre at iskanten har trukket seg nordover som følge av klimaendringer. Det har ikke vært is i Barentshavet sørøst de siste ti årene i det hele tatt. Når man da tar høyde for det faktum at iskanten har trukket seg tilbake, ved å legge til grunn oppdaterte iskart, er vi altså kommet i den lykkelige situasjon at Stortinget ikke lenger motsier seg selv. Med de oppdaterte isdataene er det ikke sjanse for is i iskart, er vi altså kommet i den lykkelige situasjon at Stortinget ikke lenger motsier seg selv. Med de oppdaterte isdataene er det ikke sjanse for is i Barentshavet sørøst, slik Polarinstituttet har lagt det frem. Vi er selvsagt opptatt av at det skal være gode faglige prosesser som ligger til grunn for forvaltningsplanene, at det faglige grunnlaget skal være sterkt. sterkt. Det vil det jo også være, og det vil bygge på akkurat de samme prosedyrer og prosesser som har ligget til grunn for tidligere forvaltningsplaner, når man i 2020 skal komme med en helhetlig, oppdatert forvaltningsplan for området Barentshavet–Lofoten. Det er viktig å understreke at det er svært strenge krav og restriksjoner som pålegges petroleumsnæringen når det nå åpnes for petroleumsvirksomhet i disse områdene – dvs. Stortinget har jo allerede åpnet for det, men regjeringen har samtidig sørget for at boretidsbegrensninger vil gjelde for hele Barentshavet. Det er en skjerping av kravene som vil gjøre at det ikke vil være mulig å bore på tider av året da det er fare for at det kan være is, og det vil fortsatt være slik at 50 km fra den fysiske iskanten vil det ikke være mulig å drive petroleumsvirksomhet. Og trekker isen sørover – noe som ikke har skjedd de ti siste årene – vil de som driver borevirksomhet, måtte avslutte sine operasjoner og trekke seg sørover. Det skal være svært trygge rammer rundt enhver form for petroleumsaktivitet i dette området, og jeg mener at det kanskje er på sin plass at Arbeiderpartiet nå avklarer om de fortsatt er enig med seg selv – om de fortsatt mener at det er slik at 23. konsesjonsrunde skal ligge fast innenfor de rammene Stortinget har fastsatt, om de fortsatt er enig i at den definisjonen som deres egen regjering la til grunn da forvaltningsplanen ble utarbeidet, skal ligge til grunn også i fortsettelsen, eller om de mener at Stortinget skal vedta en helt annen definisjon av iskanten. Det vil i så fall være helt ny politikk. Det er ikke så mange partier som bidrar til å skape usikkerhet om disse tingene nå, men jeg vil kanskje si at Arbeiderpartiet er ett av dem, og det kunne være en fordel om interpellanten benyttet anledningen til å avklare om Arbeiderpartiet mener at de faglige definisjonene som den rød-grønne regjeringen satte sin lit til, skal gjelde også i denne perioden, eller om de mener at det faglige grunnlaget ikke var godt nok. Det vil i så fall være interessant informasjon.

for fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Det ligger et nitid og grundig arbeid bak en forvaltningsplan. I 2009 la daværende regjering fram forvaltningsplanen for Norskehavet. Arbeidet med denne hadde pågått siden 2007. Planprosessen startet i mars 2007 med en samfunnsbeskrivelse og en større areal- og miljøressursbeskrivelse, inkludert verdifulle områder. Det ble også igangsatt et arbeid for å finne ut hva som skulle være indikatorer for overvåking. Disse dannet grunnlaget for det videre arbeidet med konsekvensene. Det ble laget 19 ulike fagutredninger med utredning av konsekvenser. Ut fra disse ble fire hovedutredninger utarbeidet. Nye høringer fulgte – og nye rapporter. I 2008 ble det arrangert en høringskonferanse i Ålesund. Med denne konferansen, og oppsummeringen av høringsuttalelsene i etterkant, var fagarbeidet avsluttet. Da overtok politikerne. Norskehavet har en høy biologisk produksjon og rommer en stor mengde organismer, som danner grunnlaget for de rike bestandene av fisk, sjøfugl og pattedyr. Havområdet utgjør et åpent økosystem, og som alle naturlige økosystemer er det i stadig forandring. Mennesket er en del av de store naturlige prosessene, og vi påvirker dem gjennom våre aktiviteter. Når påvirkningen blir for stor, vil økosystemene ta skade. Svaret på disse utfordringene er å drive en økosystembasert forvaltning. Dette innebærer bl.a. at vi må se alle de ulike aktivitetene i Norskehavet under ett, og at det er økosystemene som gir rammene for hvor stor påvirkning vi kan tillate. Til det er det helt avgjørende med kunnskap. kunnskap. Forvaltningsplanene er basert på kunnskap om konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden, ressursgrunnlaget, samfunnsforhold og muligheten til å utøve annen næringsvirksomhet. Dette gjelder særlig petroleumsvirksomhet, fiskeri og skipsfart. Forvaltningsplaner handler altså om langt mer enn om hvorvidt en skal drive petroleumsvirksomhet eller ikke, slik svaret fra statsråden på det skriftlige spørsmålet fra representanten Hansson kan synes som. Jeg er enig med interpellanten når det gjelder behovet for at forvaltningsplaner skal rulleres og oppdateres jevnlig. Klimaendringene vi i dag er vitne til, skjer i stor hastighet. Derfor trenger vi oppdatert kunnskap for både å vite hvordan situasjonen er, hvilke tiltak som må settes inn, og om de tiltakene vi allerede har satt i verk, virker. Kunnskapsmangel gjør at vurderingene av konsekvensene av klimaendringene og menneskelig aktivitet En kombinasjon av kartlegging, miljøovervåking og forskning er nødvendig for at vi skal få en bedre forståelse av de mønstrene vi finner, og for at vi skal kunne vurdere artenes og områdenes sårbarhet og økosystemenes stabilitet. Klimaendringer og overfiske kan gi store endringer i økosystemenes artssammensetning og dynamikk. Vi har særlig behov for mer kunnskap om havområdenes motstandskraft både naturlig og menneskeskapt påvirkning. Vi trenger også mer kunnskap om prosesser ved iskanten, ved polarfronten og om andre særlig verdifulle og sårbare områder. Vi har ekstremt rike havområder, som det er

Når en forvaltningsplan skal rulleres, henger jo nøye sammen med når det egentlig er et faglig grunnlag for det, og når behovene ligger der. For Norskehavet – litt uavhengig av akkurat de beslutningene som ble gjort i 2009, det var før min tid her hvert fall ikke vi, fra Venstres side, kjent noe påtrengende behov for at dette må skje veldig fort. Dette er en vurdering som må gjøres når det er et faglig grunnlag for at vi trenger å gjøre dette. I løpet av diskusjonen har spørsmålet om iskanten dukket opp. Det kommer en sak til Stortinget i løpet av våren, og det er også varslet en full gjennomgang av forvaltningsplanen i 2020. Venstre er enig i at saken om iskanten bør komme til Stortinget. Det som nå gjøres, og som statsråden har gjort, er for så vidt en oppdatering av tallene og observasjonene som er gjort omkring iskanten, og det er ingen uenighet om det. Uenigheten kommer inn i

som metoden fra den forrige forvaltningsplanen legger til grunn. Der ligger den jo der det er 30 pst. is, mens Polarinstituttets råd er at man skal legge seg lenger sør, der det er mindre is, for å ta høyde for variasjonen i i isutbredelsen år for år og den mulige variasjonen i isutbredelsen, som jo er der nå, helt uavhengig av at den gjennomsnittlige plasseringen av isen trekker seg nordover på grunn av klimaendringer og global oppvarming. Akkurat den risikovurderingen av hvordan vi politisk skal ta hensyn til tallene og faktagrunnlaget som forelegges oss, mener jeg er en politisk vurdering som det er riktig at Stortinget har en debatt om. Så vi er for at den delen kommer til Stortinget og debatteres her til våren. Styrken ved forvaltningsplanene er nettopp at man har et faktagrunnlag fra veldig mange ulike sektorer. Det er mange prosesser som fører fram til en forvaltningsplan. Det skal legges til grunn at man skal ha en bærekraftig utvikling i havområdene. Men i siste instans ligger det også en politisk avveining av de ulike interessene, og akkurat nå, når det gjelder iskanten, med de endringene som er, mener vi det er riktig at den politiske avveiningen må gå til Stortinget, selv om det er enighet om selve tallene. må gå til Stortinget, selv om det er enighet om selve tallene. Venstre tar utgangspunkt i Polarinstituttets råd, som er tydelig, og som sier at man må legge til grunn en større sikkerhet for at man ikke går inn i sårbare områder, enn det som regjeringen har varslet, nemlig at man bare ønsker en oppdatering av tallene med den gamle metoden.

kunnskapsbasert informasjon og baserer oss på den – i hvert fall til en viss grad – i vår forvaltning av havområdene våre. Klimaforhold, klimaendringer, dyreliv, flora, geologi og havbunn – kunnskap om alt dette bør spille inn i de vurderingene vi gjør i forvaltningsplanene, i større grad enn de har gjort til nå, vil jeg legge til. til. Hele hensikten med en sånn ordning er at kunnskapsgrunnlaget skal være oppdatert, og at vi dermed har det best mulige grunnlaget for å forvalte havområdene til enhver tid. Med tiden vil denne tilnærmingen bli viktigere og viktigere – fordi klimaendringene påvirker havområdene våre, fordi aktiviteten og skipstrafikken vil øke, og fordi presset på ressursene i havet vil bli større. Derfor var det et litt rart signal i det mye omtalte svaret som klima- og miljøministeren ga til representanten Eva Kristin Hansen, for om oppdateringer av forvaltningsplaner fra nå av skal være avhengige av den til enhver tid sittende regjerings innfall og politiske diskusjoner innad, er mye av poenget med forvaltningsplanene borte, og det vil innebære et brudd med de forutsetningene om oppdateringer og rulleringer som Stortinget har satt i forvaltningsplanene. Representanten Astrup har rett i at Norskehavet og Barentshavet er to forskjellige hav. Men med tanke på den saksbehandlingen vi har sett i spørsmålet om iskanten, synes jeg det hører med i den diskusjonen vi har nå. Regjeringen foreslår en ny grense for hvor iskanten går, og hevder at iskanten har flyttet seg selv, for å sitere statsministeren, og at definisjonen av iskanten er den samme som ble brukt i forvaltningsplanene for Barentshavet–Lofoten i 2006 og i 2011. Men for det første har ikke iskanten flyttet seg selv. Den har sannsynligvis flyttet seg av høyst påvisbare menneskelige aktivitetsårsaker. For det andre er det vi i Stortinget gjør i forvaltningsplanene, bl.a. å legge rammer for virksomhet og aktivitet, herunder petroleumsvirksomheten. Det er en politisk vurdering som bygger på en kombinasjon av de respektive partienes respekt for tilgjengelig kunnskap og respekt for klimaendringene vi er midt oppe i. Det er vurderinger som partiene selv er ansvarlige for. Diskusjonen om hvorvidt det skal bores etter olje nær iskanten, er et annet spørsmål enn hvor iskanten ligger, og de faglige definisjonene er det fagfolk som bør stå for. De faglige definisjonene av hvor iskanten går, er heller ikke noe Stortinget har behandlet eller bør behandle. I april i fjor la Norsk Polarinstitutt fram notatet «Iskant og iskantsone – fremstilling av iskantsonen som sårbart areal». Det er kunnskap av denne typen vi burde lagt til grunn for våre diskusjoner og politiske vurderinger, og dermed gjort vurderinger av om vi på bakgrunn av denne informasjonen mente det var forsvarlig å drive petroleumsvirksomhet. Det regjeringen nå gjør istedenfor, er å observere at isen smelter i nord, og dermed konkludere med at en må kunne bore etter mer olje, siden isen har flyttet seg selv. Voilà, dermed kan olje- og energiminister Tord Lien avvise Norsk Polarinstitutts og Miljødirektoratets råd og utlyse blokker i Barentshavet som det passer oljenæringen, samtidig som klima- og miljøministeren semantisk sett har sine ord i behold. Denne måten å gå fram på og den usikkerheten som jeg mener at regjeringen skaper rundt det gode systemet vi har laget for forvaltning av havområdene våre, våre, grenser mot å være useriøs, og det skaper stor usikkerhet rundt et felt som vi burde regulert mer, med mer vekt på de beste tilgjengelige faglige rådene – ikke mindre. I diskusjonen i dag er det rørende enighet her i salen om hvor viktig det faglige grunnlaget er, og hvor viktig det er med kunnskap. Men hvor er de festtalene når de miljøfaglige rådene overkjøres i tildelingen av leteblokker og TFO gang på gang på gang? Når det kommer til stykket, prioriterer de store partiene her i salen olje foran miljø – hver gang, uansett hvor mye de sier i debatter og interpellasjoner at kunnskap er viktig. Jeg venter f.eks. i sterk spenning på Arbeiderpartiets vurderinger knyttet til iskanten, for det eneste vi har hørt i dag, er at Arbeiderpartiet har sterke meninger om at faglighet skal ligge til grunn. Om de skal lytte til de faglige rådene, er fortsatt et åpent spørsmål. Vel, det ville jo vært hyggelig om Arbeiderpartiet for første gang var med og sa nei til oljenæringen av føre-var-prinsippet, som representanten Aukrust var så opptatt av.

ved å unngå å rullere planar kan øydeleggje for framtidige generasjonar. Det er heilt klart at denne regjeringa slett ikkje er ute etter ein mangel på rullering som vil føre til at ein øydelegg moglegheitene for dei komande generasjonane. Vi veit at kunnskapsinnhentinga, spesielt knytt til Lofoten og Vesterålen, har vore massiv, det har vore brukt store ressursar på den biten. MAREANO-programmet viser kor komplekst havet – og alle økosystema som ligg i havet – faktisk er. havet – og alle økosystema som ligg i havet – faktisk er. Så heilskaplege forvaltningsplanar for alle havområda vil så definitivt bli støtta av denne regjeringa, og det er ingen grunn, slik også klima- og miljøministeren var inne på, til å tru at denne regjeringa ikkje vil følgje opp den nødvendige rulleringa av planane etter kvart som behovet er der. Men det kan ikkje vere eit mål i seg sjølv å rullere planar berre for å rullere dei – det må vere eit mål med det. Så til representanten Snorre Valen: Når han går på talarstolen her og kritiserer og held innlegg om iskanten og forvaltninga av Barentshavet aust, så vil eg minne representanten på at det var han og hans regjering, den regjeringa som hans parti sat i, som stemde for å opne desse havområda. Det verkar det som ein har gløymt når ein held innlegg i dag, og derfor er det visst nødvendig å minne representanten om det. Når det gjeld iskanten og ei ny vurdering, er det underleg å høyre debatten som går om iskanten – vi har jo i Noreg til og med gitt Nobels fredspris til ein visepresident som sa at isen ville vere Vel, isen er der tydelegvis enno, så spådomane om at isen skulle forsvinne, stemmer nok dårleg. Regjeringa legg til grunn at ein forvaltar Barentshavet aust etter trygge rammer og på ein føreseieleg måte, og eg har full tillit til at klima- og miljøministeren rullerer planane i tråd med dei behova vi har, og tidlegare, der kunnskap har vore den viktige pilaren for dette

Jeg vil også takke interpellanten for å ha tatt et betimelig initiativ. De helhetlige forvaltningsplanene er, som mange har påpekt, en veldig god idé. Nøkkelen er altså at oppdatert – og jeg legger vekt på «oppdatert» – faglig kunnskap om naturens helhetlige tåleevne er det som skal legges til grunn når en skal bestemme hvilke økonomiske aktiviteter som tillates i Dessverre er det stadig mer som tyder på at denne regjeringen legger en annen logikk til grunn, der utgangspunktet er hvilke aktiviteter man ønsker, og der vern og kunnskapsgrunnlaget om natur deretter blir tilpasset de økonomiske hensynene. Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet ble sist oppdatert i 2011, som flere har vært innom, og skulle altså, ifølge praksis, vært oppdatert i 2016. Det har altså en grunn at vi rullerer de planene såpass hyppig, fordi kunnskapsoppdateringen foregår forholdsvis fort, og nå er vi jo inne i en situasjon der havet forandrer seg fundamentalt i disse områdene og behovet for kunnskapsrullering øker dramatisk. Det minker ikke! Likevel valgte altså statsråden å plukke ut ett enkeltelement fra denne planen, nemlig iskanten, og foreslå endringen av denne samme dag som 23. konsesjonsrunde ble utlyst av olje- og energiministeren. På denne måten kunne regjeringen lyse ut flere leteblokker uten at naturkonsekvensene av det ble kartlagt. Det er en dårlig saksbehandling i en så viktig sak, ikke minst av en regjering som hevder å være kunnskapsbasert. Det er ganske viktig å merke seg at den samme tilnærmingen har statsråden vist i naturvern på land. I Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune gikk Senterpartiet og SV i forrige regjering i sin tid inn for å bygge en kraftlinje tvers igjennom et naturreservat, selv om det ble anbefalt andre traseer. Staten har – forutsigbart nok – nå blitt saksøkt for brudd på naturmangfoldloven, men hva er statsrådens løsning på det? Vel, i stedet for å peke nese til en rød-grønn regjering som gjorde et meget dårlig valg, har hun gått inn for å endre verneforskriften for hva som er tillatt i naturreservatet, og nå skal det altså bli tillatt å sanke sopp, plukke bær og bygge en 420 kilovolts kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat. Miljøpartiet De Grønne advarer sterkt mot en linje hvor naturvern blir omgått med én gang de økonomiske interessene er sterke. Ikke bare har natur egenverdi, verdien av natur må nødvendigvis øke i de årene vi har foran oss, og det er viktigere enn noensinne å ta de hensynene nå – ikke å bygge dem ned. Det er bra at interpellanten fra Arbeiderpartiet tar opp bruken av kunnskap og forankring i Stortinget, men det er verdt å nevne, som også både representanten Valen og representanten Grimstad har vært innom, at det var den rød-grønne regjeringen selv som åpnet Barentshavet sørøst. Og det var en olje- og energiminister fra Senterpartiet som i 2013 endret definisjonen på iskanten ved et kupp – da definisjonen ble endret under dekke av en trykkfeil i prosessen dagen før proposisjonen ble gitt ut. I definisjonen endret man avstanden til iskanten og la i grunnen grunnlaget for det problemet som er videreutviklet nå. Jeg vil også understreke at Arbeiderpartiets kunnskapstørst foreløpig ser ut til å stanse ved det faktum at det allerede er funnet for mye olje til at vi bør utnytte den, og at det er oljen i Arktis som framfor noe bør bli liggende, men det gjenstår å se hvor Arbeiderpartiet lander i den saken. Jeg ser fram til at regjeringen kommer til Stortinget med en oppdatering av debatten rundt iskanten, men Miljøpartiet De Grønne er bekymret for en utvikling der regjeringen ser ut til å plukke ut enkeltelementer fra forvaltningsplanen nå, samtidig som de altså utsetter den helhetlige oppdateringen som skulle komme neste år, helt til 2020. Det er ganske lenge. Dersom regjeringen faktisk vil endre regimet med helhetlige forvaltningsplaner,

før en tar de endelige politiske avklaringene knyttet til forvaltningen av havområdene våre. Så blir det prøvd gjennom debatten å skape usikkerhet på ulike elementer. Representanten Astrup prøver på det med hensyn til 23. konsesjonsrunde. Hvis regjeringen forholder seg til det som er åpningsmeldingen knyttet til 23. runde og utlysningen av den, er det ikke noe problem, fordi Stortinget har gitt fullmakt til det. Det som jeg er opptatt av, er at vi følger de prinsippene. prinsippene. Årsaken til interpellasjonen handler ikke om iskanten, den handler om Norskehavet. For når det gjelder den rulleringen som Stortinget i 2009 forutsatte skulle skje i 2014, har altså klima- og miljøministeren, i svar til Stortinget, på bakgrunn av en politisk vurdering – betraktninger om avklaringer mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – tilsidesatt rulleringen. Det er sånn jeg må lese det svaret. svaret. Jeg må med respekt å melde uttrykke bekymring hvis det er sånn en skal fortsette det som handler om forvaltningsplanene. For det er et godt verktøy, forutsatt at de er helhetlige, og forutsatt at de følger også de rulleringer og de hovedrevisjoner som er forutsatt for Stortingets behandling. Det må være et ufravikelig krav fra Stortingets side, og jeg går også ut går også ut fra at klima- og miljøministeren kan garantere for at det vil skje. Det handler ikke om at det er noen faglige oppdateringer som er forsinket, eller at det er faglige oppdateringer som skal være grunnlaget for den rulleringen, så lenge det er Stortinget som har fastsatt det. Stortinget hadde noen spørsmål om mer kunnskapsinnhenting og videre analyser i tilknytning til rullering, og så skulle noe av det ha kommet i 2014. Det kom altså ikke i 2014, men jeg håper at det kommer i løpet av 2015. Selv var jeg saksordfører for forvaltningsplanen for Norskehavet. Jeg har liksom et lite eierforhold til det som er skrevet der, og jeg har også et lite eierforhold til at det blir fulgt opp. Jeg forventer det. Så til det med iskanten. Jeg synes det er litt merkelig at regjeringen velger å ta det som vi nå hører om, som en tematisk avgrenset sak å legge fram for Stortinget. Det er ikke noe grunnlag for det, men jeg forutsetter at kunnskapen, analysene og den helhetlige vurderingen også representerer og følger den saken, selv om den er tematisk avgrenset. Hvis ikke kan det bli en problematisk debatt i Stortinget.

Forvaltningsplanene er et konkret uttrykk for at Norge som kyststat har evne og vilje til å ta ansvar for de store havområdene vi forvalter, og dette har blitt lagt merke til internasjonalt. Kyststatene har en klar plikt etter FNs havrettskonvensjon til å beskytte miljøet i sine havområder. Dette henger nøye sammen med de omfattende rettighetene kyststatene etter havrettskonvensjonen har til å utnytte de levende marine ressurser og andre ressurser på kontinentalsokkelen under sin EU vedtok i 2008 et direktiv med sikte på å oppnå god miljøtilstand i alle europeiske havområder innen 2020, det såkalte havstrategidirektivet. God miljøtilstand skal sikres ved at hvert medlemsland utvikler marine strategier for sine havområder. Strategien omfatter krav om fastsettelse av miljømål, indikatorer, overvåkingsprogram og tiltaksprogram. Direktivet legger med andre ord i stor grad til grunn samme tilnærming og metodikk som de norske forvaltningsplanene. Forvaltningsplanene er et kunnskapsbasert politisk verktøy. Planene trekker opp et langsiktig perspektiv for å beskytte havområdenes økosystemer og er med det et sentralt virkemiddel for å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser til å beskytte miljøet i våre havområder. Samtidig legger planene til rette for å benytte den rett Norge etter folkeretten har til å utnytte ressursene i våre havområder på en bærekraftig måte. måte. Endelig er forvaltningsplanene et fleksibelt verktøy ved at politikken kan endres gjennom oppdateringer og revidering av planene basert på ny og oppdatert kunnskap innenfor en helhetlig ramme. Dermed er debatten i sak nr. 9 avsluttet. Ingen har bedt om ordet. Stortinget er da klar til Ingen har bedt om ordet. Stortinget er da klar til å gå til votering.

neste stortingsperiode? Kanskje er det

er på veg, der det er

Stortinget er da klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt syv forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Marianne Aasen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 5, fra Marianne Aasen

forslag. Det er forslag nr. 1, fra Marit Arnstad på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre forslagene nr. 2 og 3, fra Marit Arnstad på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 4–7 og 9–13, fra Ola Elvestuen på vegne av Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre forslag nr. 27, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti Venstre forslag nr. 27, fra Rigmor Andersen Eide på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 15–26, fra Ingunn Gjerstad på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti Presidenten gjør oppmerksom på at forslagene nr. 8 og 14, fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, ikke er tatt opp fordi de er identiske med forslag i innstillingens forslag til vedtak. Det voteres over forslagene nr. 15–26, fra Miljøpartiet De Grønne og

Sak nr. 10 er andre gangs behandling av lov og gjelder lovvedtak 38. Det foreligger ingen forslag til anmerkninger. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Men før vi avslutter møtet, vil presidenten

at det faktisk i dag er siste gang Harald Grønn, sekretariatsleder ved stortingssekretariatet, har sin arbeidsdag her på Stortinget. Det er med stort vemod vi takker for hans innsats på Stortinget gjennom hele 42 år. Harald Grønn ble ansatt i SVs stortingsgruppe i 1973, hvor han etter noen år, i 1977, ble sekretariatsleder. I 1990 fikk han stillingen som stortingssekretær, og siden 1995 har han ledet stortingssekretariatet. Få, om noen, har Stortinget mer under huden enn Harald Grønn. Han kan Stortingets forretningsorden nær sagt inn og ut og forholder seg til den med slik autoritet at det er få som våger å kny hvis det kommer innvendinger. Han kjenner til de lange linjene i dette husets historie, han besitter en helt spesiell følsomhet overfor rådende konstitusjonelle prinsipper, og han er fullstendig fortrolig med alle regler og bestemmelser, skrevne så vel som uskrevne, som gjelder for et parlaments virksomhet. Jeg er sikker på at jeg har salen med meg når jeg sier at Harald Grønn for mange av oss har fungert som en slags felles mentor. Enten han har hatt sete i sekretærstolen her ved siden av meg, eller han har fylt andre roller i Stortinget, har Harald Grønn stått for en faglig trygghet, integritet og lojalitet. Han har alltid vært rede til å gi råd om konstitusjonelle spørsmål og aldri vært uvillig til å forklare hvordan komitéinnstillinger skal skrives. Også de gangene det har inntruffet mer uforutsigbare situasjoner her i salen, har han vist at han har den faglige tyngden til å håndtere dette raskt og effektivt. Det er en enestående karriere i Stortinget som nå tar slutt. Som medlem av sekretariatet for budsjettreformutvalget var Harald Grønn sentral i arbeidet med å reformere budsjettbehandlingen på Senere har han ved flere korsveier hatt en helt avgjørende stemme overfor det til enhver tid sittende presidentskap. For egen del vil jeg si, Harald, at du har satt en standard, og det vil jeg illustrere gjennom følgende lille historie. Det var en sen aftenstund, og jeg hadde vært på et partimøte i Vågå. Klokken var vel sånn kvart på elleve om kvelden, og jeg fikk en telefon fra en meget bekymret statsråd som hadde hatt kraftig pågang her i salen. Det var blitt reist spørsmål om å ta spørsmål i etterkant av møtet, og det var da i den anledning knyttet noen formelle spørsmål til dette. Jeg må bare si at der jeg satt i en busslomme i Vågå kvart på elleve om kvelden, hadde ikke jeg forretningsordenen inne på en måte som gjorde at jeg klart kunne svare på det spørsmålet. Jeg ringer derfor selvfølgelig til Harald Grønn: «God aften, Harald Grønn. Klokken er kvart på elleve. Jeg har følgende spørsmål.» Det var litt stille, så hørte jeg at det rislet i sider, og så fikk jeg et godt svar. Så sier jeg: «Harald, kan du dette utenat?» «Nei, jeg har jo forretningsordenen her», sier

lang, god og aktiv pensjonisttilværelse. Heretter skal du slippe å ta toget fra Larvik klokken 05.40 for så å være på plass her på Stortinget et par timer senere. Egentlig burde det vært slik med sekretærer i Stortinget som så å si har fått avskjed i nåde, at det burde ha vært vedtak om at de skulle få lov til å slutte. Da ville mitt forslag vært at det burde forutsette grunnlovsflertall. Men når det da ikke er slik, får du få lov til å slippe likevel. På vegne av hele Stortinget og presidentskapet vil jeg få takke for den fantastiske innsatsen du har gjort, og ønske deg alt godt for en forestående pensjonisttilværelse. Tusen takk skal du ha.

Hvis ingen flere da har bedt om ordet, er møtet hevet.